et regelverk, som har kunder som etterspør det, og som utvikler teknologien. Når man er i brytningspunktet, som man er nå, er det helt andre drivkrefter som tar det videre. De drivkreftene må få lov til å slippe til og få lov til å forme seg, for her er det en enorm dynamikk som gjør at det ikke nytter å lage fem- og tiårsplaner. Man må sørge for at myndighetene, næringslivet og staten som innkjøper spiller på lag hele veien underveis. Det mener jeg vi i regjeringen har klart å få til, og det har også vært noe av det vi har samarbeidet godt med Kristelig Folkeparti og Venstre om. Da blir en NOU, som stortingsflertallet her avviser, et lite sidespor. Det ville ikke vært noen pådriver, men heller en brems. Det blir replikkordskifte. La meg få starte med å si takk til representanten Heikki Eidsvoll Holmås, først for skrytet av at vi har tatt opp denne saken, men også for et glitrende innlegg. Men til mitt spørsmål til statsråden: Jeg tror vi fullt ut deler oppfatningen om de mulighetene dette gir nasjonen, og at norsk næringsliv er godt posisjonert. Men hvilken kunnskap er det som vil komme fram i en NOU, som ville hindret de tiltakene statsråden nå har sagt at han allerede har iverksatt, og dem som han ønsker å sette i verk? Hvilken kunnskap er det som står i veien for det? Jeg vil heller si at den er overflødig. Vi vil heller bruke den politiske energien, den teknologiske energien og menneskeressursene her på å teste ting ut framfor å lage omfattende utredninger. Retningen her er regjeringen allerede veldig tydelig på. Vi ønsker å få til dette. Vi er allerede i gang med veldig mange ting. Det som igjen kjennetegner Arbeiderpartiet her, er at de kommer med forslag om å gjøre ting etter at de statlige etatene allerede har lagt fram sitt arbeid med det. Arbeiderpartiet kommer rett og slett for sent på ballen her. Det er det som gjør at jeg mener at det som Arbeiderpartiet foreslår, vil være en brems i det arbeidet som allerede pågår, fordi en får noen formelle, strukturelle rammer som ikke passer til det utviklingstempoet som vi legger opp til. Derfor blir en NOU et feil virkemiddel. Vi jobber nå for å legge fram en nasjonal transportplan på dette området, der min ambisjon er at det største kapittelet nettopp skal være om digitalisering. Så må vi sørge for at vi hele veien ser på den dynamikken som er i næringslivet og i bransjen, og følge den opp. En NOU vil ikke være det best egnede verktøyet til det. Det er vel åpenbart at jeg og statsråden har litt forskjellig syn på hva en NOU faktisk er. statsråden beskriver det som noen som setter seg ned og kikker litt på hva som skjer på feltet, har jeg den oppfatningen at en NOU er der vi samler de fremste nasjonale og om nødvendig internasjonale eksperter for å få råd om hva som er god politikkutvikling for å få til de resultatene vi ønsker, og unngå de uhensiktsmessige resultatene. Det reflekteres vel også i utsagnet fra statsråden om at den kunnskapen en NOU vil frambringe, vil være overflødig for hva man gjør. Det er et utsagn jeg ikke ville ha turt å stå på Stortingets talerstol og framsette. Er det slik å forstå at statsråden mener at fagetatene i dag har god nok kunnskap om hva digitaliseringen vil bety for norsk næringsliv, for transportsektoren i særdeleshet, og at det ikke er slik at en NOU kan frambringe noen ny kunnskap som vil ta nasjonen videre?

og nettopp en NOU vil kunne si noe om hvilken type regelverk det er vi trenger for å møte de endringer vi ser i framtiden, og hva vi skal ha for å hindre uønsket utvikling. Ser ikke statsråden at det kan være en kunnskap som kan være viktig å ha, eller er også den kunnskapen overflødig?

altså Arbeiderpartiet, planlagt. Problemet er bare at det å gå videre fra planen – effektuering – det mangler. Da har vi hatt en annen tilnærming, der vi ikke går for en norsk offentlig utredning, men en kan heller si det er en norsk offentlig handlingsplan, der vi snur oss rundt og sørger for at når aktørene kommer og sier at hvis Norge skal være ledende på autonome kjøretøy, må vi sørge for at vi har et lovverk som gjør det mulig – da er vi allerede i gang med å lage, ikke utrede,

uten å sørge for at faggrunnlaget er godt nok, det har vi sett med jernbanereformen, vi har sett det med veireformen, vi har sett det med flere andre reformer som kommer, bompengereformer som går med minimal utredning og – man kan si – et avsnitt eller to i en stortingsproposisjon om våren. Jeg tror historiens dom over en del av prosjektene som blir gjennomført, er at de ikke var gode. Men spørsmålet mitt spørsmålet mitt er et helt enkelt et til statsråden, og jeg vil oppfordre ham til å svare, for det er det samme som representanten Sivertsen stilte, men ikke fikk svar på. Det er: Mener statsråden at fagetatene er up-to-date når det gjelder digitalisering i dag?

stivbent. Jeg registrerer også at det er her forskjellen er mellom både dagens regjering og flertall, og den regjeringen som representanten Holmås representerte. Han tar selv opp dette med bompengereform. Ja, behovet for en bompengereform var altså omtalt i begge NTP-ene de rød-grønne styrte etter, uten at det ga seg noen materiell virkning utover at man så på saken. Vi er opptatt av at vi faktisk skal gjennomføre. Det er derfor vi sørger for at vi jobber, ikke med å samle informasjon internt i departementet, men jobber tett med ITS Rådet, med ITS Norge, med alle de ulike teknologimiljøene i Norge og utlandet som vi klarer å komme i kontakt med, nettopp for å se hvordan vi kan teste ut teknologi, hvordan vi kan sørge for at Norge blir ledende. En NOU vil ikke øke tempoet på det. Jeg er ikke betrygget av svaret, for jeg synes statsråden unnviker kjernespørsmålet om fagetatene, men jeg

transportplanen? Det er bra når statsråden sier han kommer til å skrive masse om digitalisering, men spørsmålet mitt er: Kommer han til å gjennomføre en stresstest for alle veiprosjektene som er planlagt, og som han har ivret for? Kommer han til å gjennomføre en stresstest basert på hvordan digitaliseringen vil slå ut for disse prosjektene når det gjelder kost–nytte, når det gjelder klimamål? Det er jo lakmustesten av om politikken er

utslippsfrie. Det som gjør at vi kommer til å få en raskere utfasing her enn vi har hatt før, er nettopp at man kommer til å ha mer autonomitet, man kommer lettere til å kunne ha bildelingstjenester, man kommer til å kunne utvide kollektivløsningene, som gjør at folk ikke lenger trenger egen bil på samme måten. Når man går inn i en bildelingstjeneste, vil man altså raskere kunne fase ut det man har, og raskere ta i bruk ny teknologi, som betyr at teknologiutviklingen vil gå mye raskere. Men de kjøretøyene trenger fortsatt en vei å kjøre på. Så selv om SV er aldri så mye imot asfalt på vår jord, kommer det til å være behov for mer asfalt, og det kommer til å være behov for flere skinner, fordi folk fortsatt vil ønske å reise. Nei, nei, nei. Det er ikke sånn at verden reddes ved at alt sammen skal kjøres på elektrisitet, hvis det fører til utrolig mye mer energibruk. For jo større energietterspørselen blir, desto vanskeligere blir det å gjennomføre den energitransformasjonen som er nødvendig. Det slås fast av Det internasjonale energibyrået, det slås fast av klimapanelet, det slås sågar fast av den regjeringsstøttede kommisjonen New Energy Finance. Da er rett og slett greien at i det øyeblikket man legger til rette for mer asfalt rundt de store byene, øker etterspørselen etter energi. Energiforbruket og energibehovet blir altså større. større. Når statsråden da gjør dette til en slik type klassisk SV–Fremskrittsparti-spørsmål – SV er imot alle veiene, vi er veldig for, og det de egentlig prøver, er å stoppe – viser det at han ikke tar inn over seg kunnskap. For hvis det er sånn at man reduserer behovet for kapasitet betraktelig gjennom den digitaliseringen som skjer, og Solvik-Olsen ikke har tenkt å la det få noen konsekvens for hva slags type veiprosjekter som skal bygges ut, så er det så er det en kunnskapsløs istedenfor kunnskapsbasert politikk. Det er ikke noe nytt å få karakteristikker på den måten, men her må en først bestemme seg. Hvis en er imot vei, viser det jo at selv om SV får bare elektriske biler i Norge, vil de fortsatt være imot bilen. Det er det representanten Eidsvoll Holmås her sier. Men hvis representanten Eidsvoll Holmås går inn på YouTube, kan representanten Eidsvoll Holmås se mitt innlegg på Kollektivtrafikkonferansen der jeg bruker 20 minutter på nettopp dette. For min visjon er at det vi skal få til i Norge, nettopp er å sørge for at folk velger kollektivløsninger mer, ved hjelp av ny teknologi. Så representanten Eidsvoll Holmås gir altså et helt fordreid bilde av hva som egentlig er mitt mål. Derfor burde vi kanskje hatt en NOU,

Rett rundt hjørnet står et av de største transportmessige trendskiftene i historien og venter på oss. På samme måte som motoren erstattet hesten, ser vi nå at teknologien vil erstatte føreren. Smarttelefoner har gitt nye forretningsmuligheter, og «Low Assets»-bedrifter som ikke eier produktene, men selger tjenester som AirBnB og Uber, vokser fram. Plutselig kan det bli billigere å abonnere på en selvkjørende bil framfor å eie den Selvkjørende biler kommer til å revolusjonere byene våre med færre biler, kanskje 10–20 pst. av dagens kjøretøypark og færre parkeringsplasser på gaten. Selvkjørende kjøretøy har tilsynelatende alle svar på det vi som transportpolitikere stiller spørsmål om når vi skal behandle Nasjonal transportplan til våren. Hadde det bare vært så enkelt! Med muligheter kommer også nye utfordringer. Transport blir billigere og mer tilgjengelig, og forbruk av transporttjenester vil øke. Flere reisende, flere kjøretøykilometer på gatene og mer kø er en mulig utvikling. Det er spørsmål vi bør diskutere og tenke igjennom. Regjeringen har satt i gang et lovarbeid for å tillate en prøveordning, og det er bra. Men jeg skulle ønske de evnet å ha flere tanker i hodet samtidig. Å legge til rette for autonome kjøretøy handler ikke bare om å utarbeide et lovverk for en prøveordning. Det handler om så mye, mye mer; det handler om hvordan trendbruddet vil påvirke samfunnet og transportsystemet vårt. Jeg tror ikke politikere er best egnet til å reflektere over hvordan vi gjør samfunnet best mulig rustet for nye oppgaver. Å tro at en lovregulering isolert sett gjør samfunnet vårt klart til å ta imot denne teknologien, er naivt og korttenkt. Hva skjer når vi skal over fra prøveordning til implementering? Hva gjør vi når ingen testorganisasjon lenger står ansvarlig? Hva med eiendomsretten til data som samles inn? Hvordan takler vi blandingstransporten, og hvordan ser kollektivtrafikken ut i dette bildet? Hvordan kan vi spille på Norges fortrinn i denne saken? I framveksten av autonome kjøretøy kan det være betydelige muligheter for de høyteknologiske miljøene i Norge, både for å være med på å utvikle nye løsninger

beviser at statsråden kanskje er mest opptatt av retorikk og ikke av faktisk kunnskap og politikk. Jeg mener fremdeles det er behov for å tenke bredere om dette temaet. Jeg synes bare det er så synd regjeringspartiene mener de allerede vet nok. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 8. Etter ønske fra helse- og omsorgskomiteen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

Det er derfor gledelig at vi tverrpolitisk støtter opp under prioriteringskriteriene og de prinsippene som ligger til grunn for de tre kriteriene nytte, ressurs og alvorlighet. Det vil alltid være et gap mellom hva et samfunn har ressurser til å gjennomføre, og hva som er medisinsk mulig, og forventninger. Helse er et sårbart tema både når det rammer Derfor er det viktig, og har vært viktig, at vi har hatt brede drøftinger og fått til en god forankring. Det er vårt ansvar å vedta prinsippene for prioritering og de totale ressursrammene for helsetjenestene. Det betyr at Stortinget må være seg sitt ansvar bevisst og gi beslutningstakerne ryggdekning for de beslutninger de tar, basert på de vedtak vi gjør.

Komiteen slutter seg til Norheim-utvalgets mål om flest mulig gode leveår for alle, rettferdig fordelt, samt prinsippet om å dele inn på samfunnsnivå og klinisk nivå, og at det skal være rom for faglig skjønn. Komiteen mener at et sterkt offentlig helsevesen er en forutsetning for å lykkes med prioritering. Under høringen etterlyste helseforetakene tydelige prioriteringskriterier som vil gi dem legitimitet til å prioritere de sykeste. Med et så gjennomarbeidet grunnlag og bred enighet som vi har tverrpolitisk i denne sak, forplikter det at vi som politikere har prioriteringskriteriene i bunnen når vi uttaler oss i enkeltsaker. Så håper jeg at vi klarer å balansere det vi vedtar her i dag, med ombudsrollen og ansvaret for konstruktiv kritikk som vi også har ansvar for som folkevalgte. Det er, og har vært, et uttalt mål å få felles prioriteringskriterier for hele tjenesten. I dag gjelder de for spesialisthelsetjenesten, legemidler finansiert av folketrygden og for fastlegens samhandling med spesialisthelsetjenesten. Komiteen støtter forslaget om å nedsette et utvalg for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Komiteen mener det også er behov for mer kunnskap om effekten av forebygging og hvordan finansiering påvirker prioritering. Komiteen erkjenner at det fortsatt vil være behov for politiske grep for å løfte svake pasientgrupper som de med habiliterings- og rehabiliteringsbehov, samt psykisk helse og rus, men vi presiserer at prioriteringskriteriene skal legges til grunn uansett pasientgruppe. Skal vi lykkes med å oppnå en mer rettferdig fordeling av helseressursene, må prioriteringsarbeidet forankres bedre. Det må bli en del av helseutdanningene, det må innarbeides i de faglige veilederne og være tema for faglige drøftinger og ledelse. Åpenhet er viktig for legitimiteten. Individuell refusjon har fungert som et viktig sikkerhetsnett. Flertallet støttet endringene med at nye legemidler som hovedregel skal metodevurderes med dokumentasjon på effekt og mulighet til å forhandle pris. Det er viktig å presisere at vi har fått forsikringer om at pasienter som ikke har nytte av annen behandling, skal ivaretas i det oppfølgende forskriftsarbeidet, slik at sikkerhetsnettet blir opprettholdt for dem det var ment for. Arbeiderpartiet velger å ikke fremme egne forslag eller støtte andre, for for oss er det strategisk viktig og klokt at vi på denne måten viser at vi står samlet om kriteriene og prinsippene for prioritering i helse. Der vi er uenige, kommer det fram i merknadene. merknadene. Vi hadde bl.a. forventning om en tydeligere problematisering og drøfting av hvordan det private helsemarkedet påvirker prioriteringer. Regjeringen mente at finansieringsordningen var irrelevant for prioritering, men det kom klart fram under høringen at det er en sammenheng mellom hvordan vi priser de ulike aktivitetene, og hvordan det påvirker aktiviteten og prioritering av ulike pasientgrupper. Vi ser også at helseforetakene sliter med å møte forventningen om en beslutning som anbefaler å ta i bruk nye legemidler eller behandling som innebærer store økonomiske løft og dyre medisiner. Det kommer jeg tilbake til i senere innlegg.

Komiteen har ikke falt for den fristelsen å vedta særordninger for enkeltgrupper eller -diagnoser. Denne innstillingen befinner seg stort sett på et overordnet nivå, og i denne sammenheng er det også der vi skal være. Det prioriteres hver dag innen helsetjenesten, men det er fagfolk som må og skal ha siste ord i prioriteringsbeslutningene. Det er det vi stiller oss bak i dag. Vi skal gi ryggdekning for beslutninger som tas, samtidig som vi skal være tydelige på kriteriene som legges til grunn, og det er vi her og nå. Samtidig skal det være rom for oss politikere til å trekke frem enkeltdiagnoser og gjerne pasienthistorier, det henger sammen med ombudsrollen vår. Men det kan ikke være sånn at enkelthistoriene og anekdotiske bevis avgjør hvordan vi politikere disponerer våre felles helseressurser. Det finnes nok av gode formål i helsetjenesten, vi kan ikke prioritere alle. Prioritering handler om både å prioritere opp, prioritere opp, prioritere ned og prioritere bort. De fleste politikerne liker det første best, men dette er en del av hverdagen for norsk helsepersonell, og det er også en viktig del av helseforetakenes oppgave, nemlig å prioritere hvem som skal ha behandling, og hvem som ikke skal ha behandling. Denne meldingen tydeliggjør hvilke prinsipper som gjelder for prioritering i helsetjenesten. Vi har brukt lang tid for å komme frem til disse, spesielt har helsetapskriteriet blitt diskutert og forlatt.

En god skole, et inkluderende arbeidsliv, et sunt kosthold og aktiv fritid med tilgang på naturopplevelser er viktige ingredienser for å oppnå en sunn befolkning. Men uansett hvor mye vi forebygger, kan vi forvente at antall brukere av helsetjenester vil øke. Ser vi på befolkningsutviklingen og alderssammensetningen, er det grunn til å anta at prioriteringene vil bli enda hardere fremover. Ressurstilgangen vil være begrenset med hensyn til både personell og penger. penger. Hvis vi ikke lykkes med prioriteringsarbeidet, vil det undergrave helsetjenestens legitimitet i befolkningen. Vi skal skape pasientens helsetjeneste. Da må den også ha tillit blant innbyggerne. Om man ikke er trygg på å få behandling når man trenger det, og man samtidig ser at det prioriteres skjevt, vil det over tid undergrave oppslutningen om en offentlig finansiert helsetjeneste. Men klarer vi å leve opp til det vi vedtar i dag, er det et godt grunnlag for en sikker og trygg helsetjeneste

rehabilitering og hvor man ønsker behandlingen utført, er viktige elementer i pasientens helsetjeneste, som denne regjeringen bygger stein for stein. Noen ganger, når helsen ikke er slik den skal, kan alt plutselig bli veldig alvorlig. Når mennesker opplever alvorlig sykdom, blir livet satt på vent. Få vet hvordan det oppleves å få beskjed om at en har sykdom med sannsynlighet for snarlig dødelig utgang. Det er vanskelig å sette seg inn i noens sted i en sånn setting. Det må nok oppleves for at man skal kunne vite hva man snakker om. Tilbakemeldinger jeg har fått, viser at de fleste etter en slik beskjed klamrer seg til håpet om en vidunderkur som kan bedre prognosen og forlenge livet. Det er forståelig. Når så legemiddelfirmaene forsker frem nye, men kostbare livsforlengende eller helbredende medikamenter eller behandling, er det også forståelig at pasienter ønsker tilgang til disse, men hvem skal bestemme hvem som får hvilken behandling, og på hvilket grunnlag? Prioriteringsutfordringene har antakelig aldri vært større enn nå. Vi blir flere, vi blir eldre, og behandlingsmulighetene øker. Det er bra, men det gjør også at gapet mellom mulighetene og ressursene øker. Daglig står helsepersonell midt i disse tøffe beslutningsutfordringene om hvem som settes inn først i køen for organtransplantasjon, hvem som skal bli med i et forskningsprogram, eller hvem som hjelpes først i alvorlige og omfattende akuttsituasjoner. Jeg må si at jeg beundrer dem, de ansatte i vårt helsevesen. Vi kan ikke velge om det skal prioriteres – prioriteringene skjer uansett. Men vi kan velge prinsippene som skal ligge til grunn for disse beslutningene. Det er det vi gjør i dag. I dag tar Stortinget stilling til prinsippene som skal ligge til grunn for prioriteringsbeslutninger i helsetjenesten, som er i tråd med verdigrunnlaget for helsepolitikken, som sikrer økonomisk og politisk bærekraft, og som gir helsepersonell ryggdekning og legitimitet for vanskelige beslutninger. Uten felles prinsipper for prioritering vil målene om likeverdig tilgang og rettferdighet være vanskelig å nå. Derfor ønsker regjeringen at tiltak i helsetjenesten skal vurderes ut fra tre prioriteringskriterier: nytte-, et ressurs- og et alvorlighetskriterium. Disse må vurderes samlet, og det foreslås at beslutninger skal fattes på klinisk nivå, på gruppenivå, på administrativt nivå og på politisk nivå. Jeg er, som Fremskrittsparti-politikere flest, svært opptatt av at hvert menneske er unikt. Jeg er derfor glad for at meldingen legger opp til at det også må være rom for individuelle prioriteringshensyn. Det foreslås en unntaksordning for særskilt små pasientgrupper med svært alvorlig tilstand der det ofte ikke finnes god dokumentasjon av behandling. Jeg er glad for at vi evner å være lydhøre, omtenksomme og fleksible slik at vi ikke plasserer alle mennesker i egne diagnosebokser. Det som også gleder meg, er at prinsippene for prioritering skal gjelde i hele helsetjenesten, Regjeringen foreslår å sette ned et utvalg som skal se på prioriteringsspørsmål i den kommunale helsetjenesten og vurdere hvilke prinsipper for prioritering som kan være relevante. Alvorlige spørsmål som helse- og omsorgstjenesten jevnlig står i, er f.eks. forsøk på livsforlengende behandling av eldre døende på sykehjem. Å ta riktige beslutninger når sykehjemsbeboeres liv går mot slutten – beslutninger som tar hensyn til deres selvbestemmelse er svært komplekst og krevende. Avslutningsvis: Regjeringen foreslår økt fullmakt for Legemiddelverket til å vurdere finansiering av legemidler i tråd med prinsippene for prioritering. Det er en gladnyhet som innebærer at legemidler som store pasientgrupper har nytte av, raskere vil kunne tas i bruk enn i dag. Prioritering i helsetjenesten handler om å fordele ressurser til noen områder og tiltak fremfor andre. For å gjøre riktige prioriteringer trengs det et sett av virkemidler, f.eks. beslutningssystemer, regelverk, normerende faglige retningslinjer og veiledere. Derfor er det gledelig at denne meldingen er blitt godt mottatt av høringsinstanser og har bred støtte i et samlet politisk landskap. Hvem skal få hjelp først i et akuttmottak når køen er lang og

Eller når en skal prioritere morgendagens operasjonsprogram: Hvem skal få lov til å stå på det programmet, og hvem må reise hjem og komme tilbake igjen om en stund? Helsepersonell prioriterer hver eneste dag i norske sykehus. Viktige avgjørelser skal tas både ofte og raskt. Da er erfaring og kompetanse viktig. Det samme er den individuelle vurderingen. Enhver pasient er unik. Gode prioriteringsverktøy vil hjelpe den enkelte helsearbeider. Gode prioriteringer er grunnlaget for en bærekraftig helsetjeneste som sikrer likeverdighet og trygghet for landets innbyggere. Derfor er Kristelig Folkeparti glad for at Stortinget stiller seg bak hovedlinjene og hovedkriteriene i prioriteringsmeldingen, Verdier i pasientens helsetjeneste. Gode prioriteringsverktøy gir helsepersonell ryggdekning i den viktige jobben de gjør. Riktig prioritering handler også om likeverd i pasientbehandling. Det skal ikke være sånn at man som pasient må ha en stor og mektig pasientorganisasjon i ryggen for å kunne få den retten og den hjelpen man trenger. Tydelige prioriteringer bidrar til å hindre at egne ressurser, makt og tilfeldigheter fører til urettferdig behandling. Personer med kroniske sykdommer skal ikke overses. Skrøpelige eldre skal ivaretas. Personer med sjeldne lidelser og sykdommer må få hjelp når de trenger det. Jeg vil også spesielt trekke fram noen av våre minste, som ofte taper i kampen om prioritering – til tross for at det er politiske styringssignaler som sier noe annet – nemlig barn og unge som sliter med psykiske utfordringer. Der går ikke ventelistene ned, og prioriteringene kan en spørre om. Finansieringsordningen som ligger til grunn for dagens sykehus, legger et viktig premiss for utviklingen av spesialisthelsetjenesten. Innsatsstyrt finansiering var ment som et system for tildeling av økonomiske midler, og ikke som et prioriteringsverktøy. I rapport om innsatsstyrt finansiering fra Helsedirektoratet i 2007 framkommer det at det er bekymring for at fokus på økonomi helt ned på avdelingsnivå på sykehusene er styrende for prioritering og kvalitet i helsetjenesten. Nettopp dette er det prioriteringsmeldingen skal være med og jobbe imot. Hva sykehuset tjener på, skal ikke være styrende for den helsehjelpen som gis pasientene. Derfor ber et mindretall bestående av Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre regjeringen om å foreta en helhetlig gjennomgang av dagens Økonomien skal ikke styre helsehjelpen som gis norske pasienter. Derfor er pasientene tjent med en gjennomgang av dagens finansieringsordning. Vi må sikre likeverdige tjenester, og at det er pasientens behov som står i fokus. Prioriteringsmeldingen har fått navnet «Verdier i pasientens helsetjeneste». Både prioriteringsverktøyene som vi jobber fram, og organiseringen av tjenestene må gjenspeile gode og solide verdier som setter hensynet til den enkelte pasient i sentrum. Presidenten antar at representanten skal ta opp forslag? Det skal jeg. Jeg tar opp det forslaget som Kristelig Folkeparti står bak sammen med Senterpartiet og Venstre. Da har representanten Olaug V. Bollestad tatt opp det forslaget som hun refererte til. Senterpartiet sluttar seg til dei tre føreslegne prioriteringskriteria og

Folk i distrikta med lang veg til legevakt får sjeldnare hjelp òg ved akutt sjukdom. Kvinner med høgare utdanning vert lettare viste til spesialisthjelp enn kvinner med lågare utdanning. Pasientar med ruslidingar og psykiske lidingar har ei kortare forventa levetid enn andre pasientar og har til no fått mindre hjelp og omsorg frå helsetenesta enn pasientar med somatiske sjukdomar. Prioriteringsmeldinga omhandlar berre prioriteringar i sjukehus. Det er den største svakheita ved meldinga. meldinga. Den største skeivprioriteringa i dagens Helse-Noreg er nedprioritering av folkehelse og primærhelseteneste. Norheim-utvalet løftar spesielt fram tre område som ein bør satsa meir på når det gjeld førebygging. Det er inaktivitet, fallførebygging hos eldre og depresjon hos ungdom. Senterpartiet meiner at førebygging generelt, og desse områda spesielt, må løftast i åra framover. Det største knappheitsgodet i helsetenesta er ofte ikkje pengar, men tilgang på kompetanse og fagfolk, og særleg spesialistmangel. Korleis rekruttering av legespesialistar vert fordelt, er difor bestemmande for prioritering av pasientgrupper. Når det er svært få geriatarar i norsk helsevesen i forhold til behovet, vert rett prioritering av denne pasientgruppa. God prioritering i norsk helsevesen får vi ikkje utan eit sterkt offentleg helsevesen. Difor er regjeringas privatiseringslinje – med fleire anbod og fritt behandlingsval – på sikt ein trussel mot rettferdig prioritering. Å opna opp for høgare betaling for høgare standard er starten på slutten av eit rettferdig offentleg helsevesen for alle, uansett bakgrunn. God prioritering i helsevesenet er basert på openheit. Difor må det verta slutt på hemmeleghald av kostnaden av behandlingar. Når stortingsfleirtalet rokkar ved dette, vil rettferdig prioritering aldri kunna skje. Prioritering i helsevesenet må baserast på aksept og forståing i befolkninga. Det handlar om tillit. Når helseføretak opererer med hemmelege prisar og hemmelege rabattar, vert denne tilliten svekka. Hemmelege prisar på legemiddel undergrev demokratiske prinsipp og prinsipp for transparens, og dimed heile det etiske verdigrunnlaget for den norske helsetenesta. Både Beslutningsforum og Legemiddelverket får no auka ansvar for helseprioriteringane. Senterpartiet meiner det må vurderast om Beslutningsforum vert tatt vekk frå helseføretaka og lagt inn under forvaltninga, og ber regjeringa fremja sak om innretninga på dette. For vi ser at det no skjer skjulte prioriteringar i helseføretak som konsekvens av prioriteringar Beslutningsforum gjer. Da er ein på ein måte like langt. Senterpartiet meiner at ein òg treng ei brei evaluering av korleis dagens finansiering av sjukehustenester og den auka ISF-delen som regjeringa har innført, påverkar prioriteringar i behandlingstilbodet, som representanten Bollestad var inne på. Vi meiner òg at bruken av graderte eigendelar kan vera eit tiltak, eit supplement, som kan underbyggja prioritering. rusavhengige burde f.eks. fått fritak for eigendelar i helsevesenet. Vi er skeptiske til å fjerna den generelle bidragsordninga når legemiddel ikkje kan skrivast på blå resept, og meiner òg at ordningar med individuell refusjon må vidareførast. Begge desse ordningane er eit sikkerheitsnett for ein del pasientar med kronisk sjukdom. Vi ber òg om grundigare vurdering av nivået på alternativkostnad, som i meldinga – nokså tilfeldig, etter Senterpartiet sitt syn – er sett til 275 000 kr per gode leveår. Vi ber regjeringa setja i gang eit slikt vurderingsarbeid. Denne meldinga sikrar ikkje rett prioritering i helsevesenet. Det er det implementering av denne meldinga og kriteria i helsevesenet som sikrar, og berre slik kan ein få ei open og rettferdig prioritering i norsk helseteneste. Det kan ikkje understrekast nok at det er eit leiingsansvar å sikra dette, og det øvste ansvaret ligg hos helse- og omsorgsministeren. Eg vil avslutningsvis ønskja han

i en debatt om prioriteringer. Vi kan bare se til våre nordiske naboland, som ikke er kommet på nivå med den norske prioriteringsdebatten. Norheim-utvalget følger opp dette, og jeg vil ved denne anledningen si at utvalget utfordrer både oss politikere og innbyggerne knyttet til debatten om helsegevinst og helsetap. Det er en debatt som trengs, for det vi diskuterer her om prioriteringer i helsesektoren, helsesektoren, handler jo mye om den demokratiske forankringen og hvordan vi disponerer midlene, og det trenger en debatt ut over stortingssalen. Den trengs for at befolkningen skal være med på å forstå de prioriteringene som må gjøres. Selvfølgelig ligger det penger til grunn, men det handler også om å forankre de verdiene vi baserer prioriteringene på.

så mye reparering, og om fordelene ved å sette inn innsatsen tidlig. Jeg er derfor glad for at det blir en oppfølging av denne prioriteringsmeldinga, som altså retter seg mot primæromsorgen og kommunehelsetjenestens ansvar for prioriteringer. I forslaget til statsbudsjett for neste år ser vi at dette er en utfordring også for oss nasjonalt. Når regjeringa foreslår inndekninger i egenandeler i kommunene,

En del av de prioriteringene – som jo fagfolkene skal gjøre for oss, for storsamfunnet og for politikerne – krever at det er gode systemer. Det gjelder opplæringssystemer, og det gjelder IKT-systemer, for systemene skal jo også stå seg i møte med den enkelte ansatte som skal foreta prioriteringene. Den opplæringen er derfor viktig. Det er også viktig å ha respekt for prioriteringer og akseptere at en har basert de prioriteringene på noen verdier, men også at økonomien av og til vil ha en innvirkning på det. Flere representanter har vært inne på åpenhet. Det er også en særlig hvis vi nå går i en retning hvor vi hemmeligholder mer og mer rundt stadig dyrere legemidler. Da blir det krevende for pasientgruppene å forholde seg til hvem det er som får tilgang på de dyreste legemidlene foran andre – kanskje først? – og hva grunnen er til at de får det. En annen del av det er at det blir stadig vanskeligere for den enkelte lege å begrunne f.eks. hvorfor en pasient skal skifte medisiner, når pris tas ut av argumentasjonen. Vi må holde åpenhetsfanen høyt av mange grunner, ikke bare økonomiske, men også faglige. Også av demokratiske grunner er det viktig at vi sørger for størst mulig grad av innsikt, og det gjelder også for ulike pasientgrupper. pasientgrupper. En av diskusjonene som Norheim-utvalget ikke tok, er forholdet til egenbetalinger. Vi har i dag egenandelstak 1 og 2 i helsesektoren, men vi har også individuelle refusjoner: Vi har hatt skattefradragsordninger, andre særfradrag og inntektsordninger for dem med store sykdomsutgifter. Det er også en del av den rettferdighetsdebatten som vi er nødt til å ta, som vi ikke er ferdig med også en del av den rettferdighetsdebatten som vi er nødt til å ta, som vi ikke er ferdig med som en følge av den meldinga vi diskuterer her i dag, og som vi må ta tak i igjen og diskutere løpende. Jeg ser fram til den debatten. Nei, vi er vel ikkje i sentrum av universet akkurat no. Det går Det går ikkje ei direkte linje mellom prioriteringsdebattar i Stortinget og ressursbruken i helsetenestene. Ressursbruken i helsetenestene er minst like mykje påverka av finansieringsordningane, den teknologisk-medisinske utviklinga, VG-oppslag og profesjonspolitiske endringar som av offentlege utgreiingar og stortingsbehandlingar. Dessutan er den stadig aukande privatiseringa av helsetenestene i direkte konflikt med debattar som dette. Det Det trekkjer teppet unna det demokratiske grunnlaget for ein prioriteringsdebatt. Likevel er det fundamentalt, ettersom vi framleis har ei stor offentleg helseteneste der målet er likeverdige helsetenester for alle, at prioriteringane i helsetenesta er demokratisk forankra. Dersom ein ikkje har nokon overordna prioriteringar, vil prioriteringane skje av seg sjølve, der dei sterkaste og mest taleføre gruppene får dei beste helsetenestene og ikkje nødvendigvis dei som treng det mest. Det er framleis slik at svake pasientgrupper som kronikarar, dei som treng habilitering eller rehabilitering, pasientar med psykiske sjukdomar, dei med misbruksproblem eller dei gamle ikkje får tilfredsstillande helsehjelp. Det er framleis slik at tiltak innanfor førebygging og helsefremming, som har desidert størst effekt på «flest mulig gode leveår for alle», alle», er det som blir nedprioritert. Difor vil vi i SV fortsetje vår utrøyttelege kamp for gode barnehagar med nok kompetanse til å møte utviklings- og helsebehova til dei minste, for betre skular der både god mat og tilstrekkeleg fysisk aktivitet blir prioritert, for gode oppvekstmiljø der det er trygt å gå og sykle til skule og jobb, og for gode velferdsordningar for alle. Alle desse tiltaka har høgst sannsynleg større effekt på folkehelsa enn mange helsetenester. Men som sagt er det ikkje gitt at prioriteringane som blir vedtatt i denne salen, får direkte påverknad i klinikken. Kritikarane av tidlegare prioriteringsprosessar har ofte peika på at kriteria har vore vanskelege å omsetje til klinisk praksis. Ein må oppleve kriteria eller prinsippa som verdifulle og hjelpsame i kvardagen, dei må knyte seg til verdiar klinikarar kjenner seg igjen i, anten det er sentrale norske velferdsverdiar eller dei etiske prinsippa i Dessutan må ein ta tydelege overordna politiske val. At noko er uklart, er ikkje til hjelp når store helseressursar skal fordelast. Og til slutt: prioriteringsmeldinga og prioriteringsdebatten har ingen verdi dersom ikkje verdiane og kriteria får betydning i reformer for leiing, organisering og finansiering. I ei ideell verd skal jo helsetenestene styrast direkte av overordna verdiar, men slik er det ikkje i dag. Ein kan kanskje beskrive det som ei form for verdimosaikk, der det kan vere store sprang mellom verdiar uttrykte i prioriteringsmeldingar og profesjonsetikk på den eine sida og i finansieringssystem og organisering på den andre. SV støttar difor forslaget frå Kristeleg Folkeparti, Senterpartiet og Venstre. Vi finn det litt underleg at ikkje fleire parti gjer det same, for dei økonomiske perspektiva i dette, viss det er det ein fryktar,

Meldingen fikk navnet «Verdier i pasientens helsetjeneste». Det er et veldig godt navn, og det er ikke tilfeldig valgt. Regjeringens mål er nettopp å skape pasientens helsetjeneste. I meldingen fremmer regjeringen forslag til prinsipper for prioritering som vil bidra til en rettferdig og likeverdig tilgang til helsetjenester og gi legitimitet til vanskelige beslutninger som helsepersonell tar Prioriteringskriteriene som ble foreslått av Lønning II-utvalget, fikk bred tilslutning. Likevel er det ofte uklart hva disse kriteriene konkret innebærer. Jeg skal nevne to eksempler. Den første uklarheten handler om hva kriteriene innebærer ved vurdering av innføring av nye legemidler og metoder i helsetjenesten. Hvor mye er en villig til å betale for en metode? Hvilken rolle skal alvorlighet spille – helt konkret? Hva med alder og sjeldenhet? En annen uklarhet er hvem som har ansvar for hvilke prioriteringsbeslutninger. Hva er tjenestens ansvar, og hva er Stortingets og regjeringens ansvar? Spørsmålene er mange, og vi har ikke alltid hatt klare svar. Vi mener derfor at vi må klargjøre prinsippene, rollene og ansvaret og forankre en slik klargjøring demokratisk i Stortinget. En

verdigrunnlaget for helsetjenesten. Verdier som likhet, rettferdighet og menneskeverd står sentralt. I meldingen beskrives forholdet mellom verdigrunnlaget i helsetjenesten, prinsippene og virkemidlene for prioritering. Regjeringen foreslår tre prioriteringskriterier: nytte, ressurs og alvorlighet. I tillegg drøftes andre foreslåtte kriterier, systemer for veiing av kriteriene og kostnadsgrenser. I sum utgjør disse forslagene prinsipper for prioritering som gjelder i helsetjenesten. For å si noe om hvordan vi skal prioritere, må vi vite hvem som skal beslutte hva. Prioriteringsbeslutninger tas overalt, bl.a. i fastlegens møte med pasienten, gjennom Helsedepartementets styringssignaler til helseregionene i de årlige oppdragsdokumentene, når Stortinget fastsetter hvor mye av samfunnets ressurser som skal tildeles helse- og omsorgstjenesten i de årlige statsbudsjettene, og ikke minst tas det løpende prioriteringsbeslutninger av ledere og styrer på administrativt nivå i helse- og omsorgstjenesten. Noen mener at stortingsmeldingen i for stor grad dreier seg om legemidler og ny teknologi. Jeg vil derfor understreke at et viktig budskap i meldingen er nettopp at prinsippene for prioritering i større grad enn i dag skal inngå i grunnlaget for beslutninger som fattes på administrativt nivå. Ledere i helsetjenesten har et betydelig ansvar for at pasientene får rettferdig og likeverdig tilgang til helsetjenester. Det foreslås at helseregionene skal legge til rette for at ledere gjennom lederopplæring får en klar forståelse av at de har ansvar for at virksomheten drives i tråd med prinsippene for prioritering. Meldingen drøfter også systemene vi har for finansiering og vurdering av legemidler i helsetjenesten. Det er enkelte svakheter ved dagens system som kan hindre at legemiddelpolitiske mål nås, og at prinsippene for prioritering følges. Jeg er opptatt av å sikre pasienten rask tilgang til effektive legemidler. Løsningen er å lage et rettferdig system som jobber raskest mulig. Forslagene i prioriteringsmeldingen handler nettopp om det. I sum innebærer forslagene økt måloppnåelse innenfor legemiddelområdet med likeverdig og raskere tilgang til effektive legemidler av god kvalitet og lavere pris. Så til kommunene: Det er ikke gjennomført noen egen utredning for å vurdere prinsipper for prioritering i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Vi foreslår derfor å sette ned et offentlig utvalg for å se nærmere på prioriteringsspørsmålene i helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Gjennom forslagene i denne meldingen inviterer regjeringen Stortinget til å vedta et system for prioritering i helsetjenesten som er økonomisk og politisk bærekraftig og i tråd med verdigrunnlaget i helsetjenesten. Det blir replikkordskifte. Det blir en utfordring å operasjonalisere prioriteringskriteriene. prioriteringskriteriene. Klinikere som vi har møtt, har vært tydelige på at de trenger bedre beslutningsstøtte, og et fagmiljø som vi har oppsøkt, sier at det er spesielt de faglige veilederne de etterlyser. Så nå er egentlig spørsmålet, som også Norheim-utvalget løftet fram: Går det an å prioritere blant de faglige veilederne, sånn at man kan prioritere der hvor vi får størst effekt i forhold til der hvor det kanskje er størst avvik i forhold til praksis, der hvor det gir størst helsegevinst, men ikke minst at vi klarer å få dem fram? Situasjonen i dag er at veldig mange sykehus må lage sine egne i påvente av at det blir prioritert fra Helsedirektoratet. Det er jo et av de operative grepene som foreslås i meldingen, at Helsedirektoratet også skal legge til grunn prioriteringsmeldingens prinsipper i sitt arbeid med veiledere og retningslinjer – det skal gjenspeiles i det arbeidet. Jeg er vel kjent med utfordringen knyttet til implementering av eksisterende retningslinjer og veiledere, det er også noe som vi nå jobber kontinuerlig med bl.a. gjennom et stort prosjekt knyttet til variasjon i helsetjenesten, utviklingen av Helseatlas og innføringen av pakkeforløp, som alle er verktøy for å implementere god praksis i tråd med prioritering i helsetjenesten. En av de andre utfordringene som ministeren var inne på, og som egentlig utfordrer det med lik tilgang, er at når Beslutningsforum anbefaler en behandling som er dyr eller et legemiddel som er dyrt, som omfatter mange pasienter, og det hvordan mener statsråden vi skal sikre at vi klarer å ruste sykehusene sånn at de kan ha dette tilbudet til pasientene på en likeverdig måte? Det er kreftmedisin, som vi nylig har hatt vedtak på, det er er celletransplantasjon for MS-pasienter – det er mange store grupper som når de ser at dette blir anbefalt, har forventninger. Det er en kjempeutfordring for sykehusene å imøtekomme det, og også for oss som stortingspolitikere. Har statsråden en løsning på hvordan vi kan ivareta det? Jeg er veldig opptatt av at det er Stortinget som bestemmer de økonomiske rammene for

at prioriteringen operasjonaliseres innenfor de rammene som Stortinget har satt. Og så må Stortinget være bevisst på, og regjeringen må være bevisst på, at når en vurderer hvor mye ressurser en setter av til sykehusene, må det tas hensyn til ikke bare den demografiske utviklingen, men også forhold som påvirker kostnadene, sånn som

vi har skrive om i merknad, og det går på at alvorlegheit og nytte ifølgje meldinga skal målast i kvalitetsjusterte leveår, forkorta QALY. Både Norheim-utvalet og Magnussen-utvalet la til grunn at prioriteringsvedtak på gruppenivå hadde ein alternativ kostnad på 275 000 kr. Vi les f.eks. at Helsedirektoratet i ein rapport frå 2012 har operert med ein alternativ kostnad på 588 000 kr – altså nærmast dobbelt så høgt. Spørsmålet mitt er om helseministeren har ein kommentar til korleis ein har kome fram til 275 000 kr, og om ein vil vurdera den grensa etter kvart. Man er kommet fram til det gjennom det arbeidet som både Norheim-utvalget og har gjort, og det er basert på både norske og internasjonale vurderinger og studier. Derfor har vi valgt å legge det til grunn for meldingen. Det vil alltid kunne være en diskusjon om hvor høyt man skal sette den alternative kostnaden, men både Norheim-utvalget og Magnussen-utvalget er sammensatt av veldig kompetente folk på dette området, som også baserer mange av sine vurderinger på både nasjonale og kompetente folk på dette området, som også baserer mange av sine vurderinger på både nasjonale og internasjonale studier. Alternativkostnad handler om å finne en grense for hva som gir uttrykk for hvor man kunne fått bedre effekt for de samme midlene ved å bruke dem et annet sted i helsetjenesten, og det ligger ganske store studier bak dette tallet.

færre. Makten konsentreres i disse systemene, og det siste jeg hørte nå, var at Helse Sør-Øst ønsker å utnevne leder og nestleder i brukerrådet selv. Det tyder på at brukerne blir en type publikum og ikke reelle brukermedvirkere der faktiske beslutninger fattes. Hva tenker helseministeren om utviklingen for systemet, som jeg var litt inne på i mitt innlegg her også? Hvor langt er han villig til å overlate beslutningene til de økonomiske aktørene i systemet? Jeg mener at det stadig er mulighet til å se på forbedringer i måten Beslutningsforum jobber på. En av forbedringene, som ble gjort ganske tidlig, var å oppnevne en brukerrepresentant til å sitte i Beslutningsforum. Det mener jeg var et klokt valg, som skaper mer åpenhet og mer brukermedvirkning. Spørsmålet knyttet til åpenhet om priser er et veldig vanskelig spørsmål, fordi jeg oppfatter at det er bred politisk enighet om prinsippet om at åpenhet er det beste. Utfordringen vår er at hvis vi som enkeltnasjon velger å la det prinsippet styre over alle andre forhold, vil vi komme i en situasjon der det prinsippet kommer til å innebære at det er behandlingsmetoder som vil være til nytte for våre pasienter der som vil være til nytte for våre pasienter der vi ikke får en pris som gjør at vi vil være i stand til å ta det i bruk. Det er en konsekvens av det som ikke jeg er villig til å ta, og derfor må vi jobbe med dette ut fra et internasjonalt perspektiv og ikke bare et nasjonalt perspektiv.

– Norheim, Førde, Solheim, Solbakk og Westin – har peika på at organisering og styring har betydning for prioritering. Allereie no på torsdag får statsråden overlevert ein ny NOU, Kvinnsland-rapporten er klar. Eg går ut frå at statsråd Bent Høie har ei viss oversikt over det. Vil desse prioriteringskriteria få betydning for det vidare arbeidet med Kvinnsland-utvalet, og i så fall på kva måte? Jeg mener at i denne meldingen ligger det et grunnlag for både prinsipper og systemer for prioritering som står seg uavhengig av hvilke endringer som gjøres i dagens styringsmodell. Det er en nødt til å ta hensyn til. Et av de viktige prinsippene i meldingen er nettopp at de som har det økonomiske ansvaret, også sitter med ansvaret for å prioritere og ta prioriteringsbeslutningene. Det er veldig klokt, og det betyr at det er Stortinget som er de eneste som kan bestemme hvor mye av samfunnsressursene som skal brukes på helse. Når Stortinget har bestemt det og helseregionen eller de som får et overordnet ansvar for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 at det er dette som nå gjelder. Man hører kanskje også på tonen i dag at dette er det ganske bred enighet om. Det har det også egentlig alltid vært på papiret, men det har ikke alltid blitt praktisert på den måten vi har bestemt i Stortinget, så la meg gi noen korte kommentarer til det. Det ene er at mange der ute, f.eks. i helsetjenesten, beskylder

får tilbud om helt andre typer behandlinger og tilbud i det private – som mange etter hvert, av ulike grunner, har valgt å forsikre seg for nettopp å ha mulighet til – vil det utfordre prinsippene som vi vedtar her i Stortinget. I ytterste konsekvens kan vi komme i en situasjon hvor vi vedtar at det skal gjelde noen prinsipper, men at de ikke betyr noe, fordi en stor andel av helsetjenestene ikke er omfattet av de samme prinsippene, slik vi har sett i andre land. Der er det Så jeg er enig i at det er bra at vi får strammet opp noen av de tingene som – etter statsrådens syn – var uklart etter Lønning II-utvalget. Men da kommer jeg til mitt avsluttende poeng: Når man ser hvilken slående forskjell det er på denne debatten nå og den som var for 4–5 år siden, da rollene var litt snudd i denne salen, tror jeg ikke det var mangel på klarhet om hvem som skulle beslutte hva, eller hva slags ulik vekt man skulle gi til ulike kriterier etter Lønning II-utvalget, som var det springende punktet da representanter fra både dagens to som var det springende punktet da representanter fra både dagens to regjeringspartier og andre, til dels høylytt og daglig brukte stortingssalen til å fremme syn som overhodet ikke kan sies å være i tråd med de prinsippene vi nå vedtar. Så min oppfordring til slutt i denne debatten er: Nå har vi sammen blitt enige om at det er disse prinsippene som skal gjelde. Dette må nå forplikte alle partiene, også de partiene som tidligere har valgt å gjøre dette på andre måter, bl.a. de som nå sitter i regjering. Jeg tar nå for gitt at etter at disse vedtakene er gjort, blir vi – uavhengig av hva som skjer med budsjettkrise, regjeringskrise eller ved neste valg – enige om at disse prinsippene skal praktiseres også av oss politikere, ikke bare av fagfolkene ute i tjenesten.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

Da blir det
Trøen, på vegne av saksordfører Kristin Ørmen Johnsen. Representantforslaget fra representantene Berg-Hansen, Aasen, Asphjell og Grung, som vi diskuterer i dag, omhandler et tema som berører mange unge og deres familier. Heldigvis er det slik at de fleste som smittes av kyssesyke – jeg bruker det uttrykket istedenfor mononukleose, for det er betydelig enklere – ikke får langvarige plager Omtrent halvparten av de smittede har kyssesyke uten selv å vite det og uten å være plaget. Men for dem som rammes hardt, de ca. 5 pst. som får betydelige helseplager etter utbruddet av kyssesyken, er sykdommen alvorlig. I innstillingen fra komiteen fremmer Arbeiderpartiet et forslag de er alene om. Det vil helt sikkert Arbeiderpartiet selv redegjøre for. I forslaget ber man regjeringen «iverksette tiltak som målrettet øker kunnskapen om sykdommen mononukleose/kyssesyke og om hva som kan gjøres for å forebygge langvarig sykdomsutbrudd og svekket helse for ungdom som blir rammet av sykdommen». I Høyre mener vi det ikke er realistisk at omfattende vil få avgjørende betydning for hvor mange som blir smittet med mononukleose. Vi mener derimot at informasjon om sykdommens forløp og risiko for utvikling av komplikasjoner til dem som får påvist kyssesyke, er det aller viktigste tiltaket for å forebygge alvorlig sykdom. Denne oppgaven ivaretas, slik vi ser det, godt i primærhelsetjenesten i dag, og vi ønsker at dette fortsatt skal gjøres slik. I tillegg mener en samlet komité at skolehelsetjenesten har en viktig rolle i arbeidet med å informere unge om smittefare og hvordan en kan unngå å bli smittet. Skolehelsetjenesten er betydelig styrket de siste årene, og det er en gledelig vekst i antall helsesøstre der ute som kan gjøre dette viktige informasjonsarbeidet. Det finnes ingen medikamentell behandling av kyssesyke. Det behandles ved at den som er syk, får tydelig informasjon om å redusere aktivitetsnivået og unngå alkohol og medisiner som brytes ned i leveren. Det aller viktigste tiltaket for å unngå alvorlig sykdom, som skader på milten, er derfor informasjon, tett oppfølging og tydelig veiledning til dem som er blitt syke. Da komiteen var på besøk på Akershus universitetssykehus i oktober i år, fikk vi presentert et viktig ledet av Vegard Bruun Wyller på sammenhengen mellom kyssesyke og ME. Der har de nå en omfattende og systematisk innsamling av data, som kan være et godt utgangspunkt for videre forskning på kyssesyke, og som også kan gi viktige innspill til hvordan ME-utbrudd etter kyssesyke bør behandles. Kyssesyke smitter nesten utelukkende blant ungdom, og de aller fleste av disse diagnostiseres og behandles hos fastlegen. Det tas mange tusen tester hvert år, og vi opplever at fastlegene er svært oppmerksomme og opptatt av å sjekke om de unge faktisk har mononukleoseviruset når de oppsøker legen. For Høyre er det i denne saken viktigst at de som rammes og får plager og symptomer, får god oppfølging og informasjon i primærhelsetjenesten, og selvfølgelig også i spesialisthelsetjenesten dersom dette er nødvendig. Vi mener det er redegjort godt i svar til komiteen fra statsråden om helsetjenestens viktige funksjon i denne saken. Vi har nettopp behandlet prioriteringsmeldingen. Det er

Det rammer først og fremst ungdom som er midt i livets vår, og som opplever å bli satt ut på en måte der de mister kontrollen over livet sitt. De får langvarig fravær fra skole i en tid da de vet at det å prestere og komme videre med sine utdanningsvalg er helt avgjørende. Ofte er de aktive ungdommer, som også må ta en lang pause fra idrett eller kultur. eller kultur. Mange mister også den gode og sosiale kontakten med venner og andre. Arbeiderpartiet mener vi kan gjøre langt mer enn i dag for å hindre at så mange ungdommer blir alvorlig syke over så lang tid. Så må vi minne oss om, selv om vi i er helsekomiteen, at ikke alle ungdommer og ikke alle foreldre oppsøker fastlegen ut fra de symptomene som man har ved kyssesykdom i i begynnelsen. Kyssesyken er en smittsom virussykdom som vi ikke har noen vaksine mot i dag. Derfor er det viktig å nå ut med informasjon til ungdommen selv om hva slags symptomer sykdommen har, og at de umiddelbart bør oppsøke lege for å ta en blodprøve. Det er viktig å oppsøke lege ved mistanke, for man kan påvise sykdommen med en enkel blodprøve. Er man syk, må det tas forholdsregler. Jo raskere diagnose, dess fortere kan de tilpasse livsstilen sin til sykdommen – ta det helt med ro, ingen fysisk aktivitet og ikke alkohol. Foreldre, skole, idrettslag samt arenaer der ungdommer må ferdes, må også kjenne godt til symptomene på kyssesyke. De bør vite hva som kyssesyke. De bør vite hva som bør gjøres. Mang en ungdom er aktiv innen idrett, og det må stoppes umiddelbart. Ungdom er generelt mye sammen i grupper, både på skolen og i sosiale lag, så smitte kan spre seg raskt uten forebygging. Alkohol og sykdom er en dårlig kombinasjon i alle aldre, men det er ikke alle som vet at alkoholinntak også kan svekke immunforsvaret, gjøre oss mer mottakelig for sykdom Vi tror at bedre og hyppig informasjon vil bidra til at ungdommen tar bedre valg når det angår det å beskytte seg selv. I tillegg til bedre og effektivt forebyggende tiltak må vi intensivere forskningen på bedre medisinsk oppfølging. Som saksordføreren var inne på, var det gledelig å registrere at akkurat Ahus har satset på dette forskningsområdet og har samlet inn data fra 200 ungdommer i målgruppen. Dette må være et ypperlig utgangspunkt for videre forskning knyttet opp mot kyssesyke. Dessuten må Norge engasjere seg i det viktige arbeidet med å utvikle trygge vaksiner, som kanskje er den eneste metoden for å få stoppet sykdommen nå.

av alle som blir syke, vet egentlig ikke at de har hatt sykdommen før de ved en senere anledning får påvist ved blodprøver hos legen at de faktisk har antistoffer knyttet til denne. Kristelig Folkeparti tenker at de som sitter i det ytterste leddet og ofte har den største kontaktflaten og den beste informasjonen inn til disse ungdommene, er våre folk som jobber i skolehelsetjenesten. Det er en forutsetning for at de kan møte ungdommene, nemlig at de er på jobb og har timer nok til å være på jobb og møte ungdommene i en aktiv skoledag. Da kan en informere ungdommene selv om hvilke forholdsregler som må tas, hva en bør passe på når dette bryter ut i den gjengen en selv er en del av. Kristelig Folkeparti tror også at en kan bruke skolehelsetjenesten bevisst i foreldremøter og klassemøter for å sikre at ny kunnskap og ny informasjon kommer til dem som trenger det aller mest. mest. Det er en av grunnene til at Kristelig Folkeparti har vært opptatt av å øremerke midler nettopp til skolehelsetjenesten. De har den bredeste kontaktflaten. Fastlegene går ungdommene sjelden til. Helsesøster og skolehelsetjenesten vil de gjerne møte hvis de har åpent. En bevisst bruk av skolehelsetjenesten tror jeg vil være med og løfte denne pasientgruppen. Lærerne kan også bruke denne tjenesten når de snakker om gym og aktiviteter som veldig mange av disse ungdommene må holde seg vekk fra i lang tid. Kristelig Folkeparti tenker også at skolehelsetjenesten faktisk kan være med – og der er jeg enig med Arbeiderpartiet

skolehelsetjenesten bidra. Skolehelsetjenesten kan også tenke nytt og jobbe internasjonalt sammen med spesialisthelsetjenesten, slik at vi kan finne gode grep når det gjelder denne sykdommen. Allikevel støtter ikke Kristelig Folkeparti Arbeiderpartiets forslag, for vi tror på det å bruke og fokusere på det som allerede finnes, kontaktflater som bruke skolehelsetjenesten mye mer bevisst, prioritere skolehelsetjenesten med øremerkede midler, be fastlegene være obs på ungdommen og ikke minst la sykehusene tenke både forebygging og behandling på en mye mer utstrakt måte enn det som blir gjort i dag. Husk

siden mange ikke får kliniske symptomer og mange ikke blir testet. Pasientene behandles som oftest i primærhelsetjenesten, hvor diagnosen «mononukleose» er satt mellom 20 000 og 25 000 ganger per år de siste fem årene. Kyssesyke diagnostiseres ved kliniske symptomer og/eller ved hjelp av I primærhelsetjenesten brukes det gjerne hurtigtester. Mononukleose smitter hovedsakelig via spytt, enten via direkte kontakt med smittet person eller via leker og gjenstander. En smittet person er smittsom i flere måneder, og langvarig virusutskillelse forekommer. Det tar fra fire til seks uker fra man er smittet, til man får symptomer. Hos barn forløper virusinfeksjonen vanligvis uten derfor blir den sjelden erkjent. Når infeksjonen opptrer i ungdomsårene, fører den til mononukleose hos hver tredje pasient. De vanligste symptomene er feber, halssmerter og slapphet. For de aller fleste går symptomene over etter noen uker, men rundt halvparten får mer alvorlige problemer. Noen av disse vil oppleve en lengre periode med slapphet og lavere energinivå. Mononukleose har derfor, i likhet med mange andre infeksjoner, blitt forbundet med ME, uten at det er avgjørende holdepunkter for en slik sammenheng. Det finnes verken vaksiner eller legemidler mot mononukleose. Det arbeides med å utvikle en vaksine, men det vil ta lang tid før en slik vaksine kan tas i bruk. Det er ikke mulig å forutsi hvem som vil utvikle symptomer, og hvem av disse som vil få langvarige De viktigste tiltakene er å unngå alkohol og legemidler som nedbrytes i leveren, og at aktivitetsnivået tilpasses den enkelte pasient. Grunnleggende smitteverntiltak som god hygiene og å unngå overføring av spytt fra syk til frisk person er de viktigste tiltakene for å hindre smitte. Men siden halvparten ikke har symptomer, vil disse tiltakene bare ha begrenset effekt. En annen grunn til at det er vanskelig å stanse smitteoverføring, er at virus ofte skilles ut over lang tid. Derfor er det også vanskelig å drive omfattende målrettet informasjon til befolkningen. Men ungdom er en viktig målgruppe, og det finnes informasjon på nettet som er tilpasset ungdom, og de fleste apotekene har også brosjyrer om sykdommen. Fastlegen har en viktig rolle i å informere pasienter som får diagnosen kyssesyke, om forløp og risiko for komplikasjoner slik at man kan

Eventuell sykmelding eller redusert aktivitet i skolen vil måtte tilpasses den enkelte elev, slik det må gjøres uansett medisinsk årsak. Spesifikke tiltak mot kyssesyke i skolen og arbeidslivet anses som lite relevant, utover å redusere aktivitetsnivået i den akutte fasen av sykdommen. Som på andre områder i medisinen pågår det forskning som kan bidra til ny kunnskap også om mononukleose, og dermed til bedre forebygging, diagnostikk og behandling.

Han skriver i sitt svarbrev at for en mindre andel vil infeksjonen medføre en lengre periode, tidfestet til 2–6 måneder, med slapphet og lavere energinivå. Hva er et mindre antall? Og igjen, det finnes mennesker Jeg er fullstendig klar over at det finnes mennesker bak tallene, men det er også viktig at en ser at de tiltakene som kan settes inn, er de som baserer seg på den beste tilgjengelige medisinske kunnskapen. Det finnes ikke i dag verken vaksine eller legemidler mot denne sykdommen. Den er veldig vanlig i befolkningen, den er vel kjent av helsepersonell, både fastleger og skolehelsetjenesten, og det finnes godt diagnostisk verktøy. Det finnes ikke en reell behandling, men det finnes gode råd å gi til ungdom som har fått sykdommen. Det er den situasjonen som vi er i. Det er vaksine under utvikling, men som jeg sa i mitt svar, vil det sannsynligvis ta mange år før en vaksine er klar til å tas i bruk.

ikke høres godt nok? De ligger der hjemme i sine mørke rom og i sengene sine og er ikke i stand til å gi lyd fra seg. Hvorfor kan man ikke prioritere arbeidet med en vaksine høyere? For det første reagerer jeg på at en forsøker å skape et inntrykk av at jeg har en negativ holdning eller en annen holdning til disse pasientene enn det jeg har til andre pasienter. Det har jeg ikke. Men jeg har gitt en nøktern redegjørelse for hvilke alternativ som er tilgjengelige. Det er også viktig at en ikke her skaper et inntrykk av at det finnes andre alternativer enn dem som faktisk tas i bruk, når det gjelder f.eks. behandling. Når det gjelder utviklingen av vaksiner, er det et stort og komplekst spørsmål. Det er jo sånn at vi har mange store, svært dødelige sykdommer i verden som vi heller ikke har fått utviklet vaksiner for. Norge tar der et internasjonalt ansvar for de glemte sykdommene på dette området. Denne sykdommen er ikke blant dem, selv om den også rammer hardt dem som får et hardt utslag av sykdommen. Replikkordskiftet er omme. De talere som heretter får ordet, har en taletid på De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter.

Har de latt sykdommen utvikle seg, ikke oppsøkt lege når de begynte å få symptomer, og fortsatt det hektiske livet sitt, medfører det ofte langvarig sykdom. Dette er uventet for mange og viser at informasjonsbehovet er større enn det mange synes å tro. Problemet med sykdommen er at vi vet for lite om den, og at det gjøres for lite for å forebygge den, og jeg skulle ønske at stortingsflertallet også hadde sett det. Alle her vil hjelpe de som er syke, og helsevesenet gjør så godt de kan med en sykdom som knapt kan lindres, og som ikke kan medisineres. Men årsaken til at vi, som forslagsstillere, har foreslått å gjøre noe med dette, er at mange i risikogruppen vet lite om sykdommen før de blir rammet. Det skjer først etterpå, at de får informasjon, og da kan det være for sent, for da har mange kjørt et høyt aktivitetsnivå mens de var og så blir de enda sykere, og så varer det enda lenger. Noen kan være syke i opptil flere år. Særlig skolefraværet er krevende i denne alderen, for det legger føringer for hele utdanningsløpet. Hadde dette rammet 40-åringer, ville nok overskriftene vært ganske mye større, men dette slår jo ikke ut på noe sykefravær, det registreres ikke på den måten. Og når man sjekker med skolene, så finnes det lite statistikk. Kunnskapsministeren har fått spørsmål om dette i spørretimen. Han har blitt oppmerksom på temaet og viser stor interesse for det, men det finnes lite informasjon på skolene i Norge over hvor mange som faktisk blir rammet, og hvor store konsekvensene er. Men alle ungdommer, og de som har noe med ungdommer å gjøre, burde vært langt mer informert, f.eks. alle fotballtrenere, håndballtrenere, de som daglig har med ungdom å gjøre. Symptomene er som lettere forkjølelse, man bare tar seg sammen og fortsetter livet, og dette er ungdommer som har fullt kjør på skolen fra morgen til kveld, og i tillegg trener de. Det er helt feil medisin, for å si det forsiktig, det er det som ofte gjør at de blir syke. Så mitt anliggende er å ha litt mindre medisinsk fokus i denne debatten, som jeg kanskje opplever at komiteen og statsråden har hatt, og mer fokus på «de gode råd», som statsråd Bent Høie nevnte, men på en måte som gjør at vi får systematisk informasjon før ungdommene våre blir

som fortsatt – over to år etter at hun ble syk – strever tungt. Så er det sånn at når man først blir rammet, kommer man også i kontakt med mange andre som har opplevd det samme. Derfor må jeg innrømme at jeg er skuffet over at flertallet i denne salen på en måte bare lener seg tilbake og mener at alt stort sett er såre vel. Det er det nemlig ikke. Har dere møtt en ungdom som ser livet passere, som ikke greier å henge med eller har dere hørt historier der ungdom blir beskyldt for å være late og giddeløse? Jeg kjenner enda en jente, som opplevde at all energien forlot kroppen hennes mens hun gikk på ungdomsskolen. Hun var aktiv i håndball, og hun fikk til svar fra treneren sin da hun ba om å bli byttet ut: Her er det jeg som bestemmer hvem som skal byttes ut. Hadde treneren da hatt den kunnskapen om vil være med på å skaffe mer kunnskap, eller i det minste å få ut den kunnskapen vi tross alt har – til ungdomsskoler, videregående skoler, idrettslag og andre arenaer der ungdom oppholder seg. Ungdommen må ikke være avhengig av å ha Da vår datter, Johanne, ble innlagt på sykehuset, sa overlegen til meg: Det folk flest hører om kyssesyken, er når toppidrettsutøvere får det ett år og blir verdensmestere neste år. Folk hører ikke om alle dem som ligger i mørke rom år ut og år inn. Jeg mener at vi skylder både dem og alle andre som blir syke av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

Og me får no tilbakemelding i budsjettet, i Prop. 1 S for 2016–2017, om at dette arbeidet er starta. Det er ein samla komité som støttar regjeringa sitt syn om at romverksemd er eit tema som har stor og aukande betyding for Noreg. Noreg er storforbrukar av romrelaterte tenester, både til formål som navigasjon, sjøredning, kommunikasjon og Noreg har ei rekkje bedrifter som leverer varer og tenester til ESA, men også til andre romfartsmiljø. ESA er viktig. ESA er på mange måtar «heimemarknaden» til norsk romindustri. Dersom ikkje dei norske bedriftene får leveransar til vår eigen heimemarknad, som er ESA, når dei heller ikkje opp i konkurransen i andre marknader. Og erfaringane er gode. Fleire av dei norske bedriftene har gjennom sine leveransar til ESA etablert marknadsdelar i den internasjonale frie og opne marknaden for romrelaterte varer og tenester. Så registrerer me at EU no skal leggja fram sin romstrategi, og at ESA også skal fornya sin strategi. Det er ein samla komité som ser det som formålstenleg at den komande norske romstrategien vert utarbeidd slik at han kan sjåast i samanheng med ESAs strategi. Høgre meiner at ein slik strategi strategi. Høgre meiner at ein slik strategi bør omtala industriens behov for tiltak som kan synleggjera vekst for norsk romindustri. Det er jo økonomisk vekst og nye arbeidsplassar me vil ha. Så er det slik at komiteen har registrert at regjeringa i Prop. 1 S for 2016–2017 føreslår reduksjon i deltaking i ESAs frivillige program frå 2018. Det unormale her er at dette vert teke ut av budsjettarbeidet og inn i dette Dokument 8-forslaget. Å kopla budsjettsaka inn i dette Dokument 8-forslaget verkar noko uryddig og ganske uvanleg, men eg ser poenget, sidan budsjettforhandlingane har drege ut i tid – og ministermøtet i ESA allereie er 1.–2. desember. Høgre støttar at regjeringa på ministermøtet i ESA 1.–2. desember 2016 inngår forpliktingar i ESAs frivillige program med 150 mill. euro for neste periode. Me ønskte å få dette inn som ein merknad i komitébehandlinga i avgjevingsmøtet – at me støttar dette i budsjettsamanhengen, men ikkje i sjølve Dokument 8-forslaget – men det fekk me altså ikkje til. No når dette Dokument 8-forslaget om ein ny norsk romstrategi vert fremma med eit budsjettema inkludert – før budsjettet skal behandlast – vert det naturleg for Høgre å støtta intensjonen i forslaga, der fleirtalet ønskjer å oppretthalda ESA-støtta, samt at me skal ha ein ny norsk romstrategi. Men det er nokre nyansar i ordlyden i vedtaket som me skulle ønskt kunne ha vorte justert lite grann: Når det gjeld forslag til vedtak I: Her ønskjer me å føya til at det er 150

Så viss ikkje dette er altfor bitterleg, så er det veldig greitt å få det avklart i denne debatten. Når det gjeld forslag til vedtak III: Under punkt 2 står det at me skal «etablere et Space leadership council». Viss ein kan endra den ordlyden til «å vurdera» om me skal etablera dette, er det også føremålstenleg og ein mykje betre ordlyd. Like eins under punkt 4: Her står det at me skal «Arbeide frem en ny og bedre organisering av Norsk Romsenter». Det tenkjer eg òg er ei sak som bør koma fram som eit resultat av dette strategiarbeidet, og ikkje som eit pålegg herifrå. Eg håpar òg at debatten kan klargjera akkurat det, at me ikkje skal tolka dette så bokstaveleg som Så viss me hadde fått til dette og debatten her i dag kan bekrefta at me er på rett linje når det gjeld korleis me skal tolka akkurat dette, kan me vera med på dei endringane som eg oppfatta at forslagsstillarane, forhåpentlegvis, er villige til å vera med på. Representantforslaget fra Arbeiderpartiet og

Denne industrien er i sterk internasjonal vekst, som av mange beskrives som en ny høyteknologisk utviklingsfase. I næringspolitikken er det viktig med et godt samarbeid mellom offentlige og private aktører. Når det gjelder romfart, er det ekstra viktig. Bransjen opererer i et marked som er sterkt politisk styrt, og er avhengig av offentlig politikk. Det er derfor ekstra viktig at offentlige og private aktører arbeider mot samme mål i og utenfor Norge. En strategi vil sikre dette. Samtidig som et flertall i Stortinget ønsket å fortsette satsingen på norsk romvirksomhet, kom regjeringen med et statsbudsjett som ville bygge denne ned. I forslaget til statsbudsjett la regjeringen opp til et kutt i Norges bidrag til Den europeiske romfartsorganisasjonens frivillige programmer med 2018. «Konsekvensen, hvis denne politikken gjennomføres, er at norsk romvirksomhet trolig vil avvikles over tid», uttalte Eline Oftedal, leder i Norsk Industriforum for Romvirksomhet – NIFRO. Situasjonen var veldig spesiell, særlig når statsråden kom til Stortinget og fortalte at man mente at romfartssatsing var viktig, og at romfartsindustrien hadde generelle landsdekkende ordninger de og at romfartsindustrien hadde generelle landsdekkende ordninger de kunne søke på. For det første viser det, etter min mening, manglende forståelse for romindustrien. ESA er å anse som norsk romindustris «hjemmemarked», og reduksjonen som regjeringen la opp til, ville hatt direkte negativ effekt på norsk romindustri. For det andre er det næringspolitisk uforståelig og veldig spesielt

og da kreves forutsigbare rammebetingelser. For det tredje: At regjeringen som snakker så mye om omstilling og forskning, ønsker å undergrave høyteknologiske arbeidsplasser med stor overføringsverdi mellom sektorer, er svært spesielt.

arrogant uttalelse når de uttrykker at de forholder seg til budsjettbehandlingen og ikke til komiteens flertall i innstillingen. Når det nå i ettertid framkommer at regjeringspartiene ønsker å komme flertallet i komiteen i møte, er det bra. Med det som bakgrunn har jeg derfor den glede å fremme et fellesforslag på vegne av alle partiene i komiteen. Det er identisk med flertallsinnstillingen, men med følgende tilføyelse i I: «dvs. 150 mill. euro i nye forpliktelser». Så i III, punkt 2, skal ordet «etablere» ut og erstattes med «vurdere». Når det gjelder det som representanten Ove Trellevik etterlyste om evaluering av Norsk Romsenter, føler jeg det ligger implisitt i vårt forslag, og at det er naturlig med en sånn evaluering. Vedrørende hovedstrategien vil det også være naturlig at regjeringen kan komme med andre innspill underveis. Med dette venter jeg at vi får en klar tilbakemelding fra ministeren om at man bærer fram dette synet i Luzern. Representanten Omland har tatt opp det forslaget han refererte til.

Det er få næringer som er så sterkt knyttet til hva som skjer i denne salen, som romnæringen. En høstdag for over 50 år siden, på Rice University i Texas, USA, sto en amerikansk president og nærmest garanterte at innen tiåret var omme, skulle amerikanerne ha sendt en mann trygt til månen og trygt tilbake igjen. Alle vi som er politikere, vet hvor vanskelig det er å utstede garantier, også om små nasjonale saker i Norge. Enhver garanti blekner likevel mot Kennedys garanti på starten av 1960-tallet. De skulle ikke gjøre det fordi det var enkelt, men fordi det var vanskelig. De skulle gjøre det for å samle et helt folk i den kalde krigen mot tyranniet i øst. De vant, og drømmen ble nådd.

Disse er også viktige for bruksområder innen jordobservasjon, navigasjon og kommunikasjon i våre store land- og havområder. Romvirksomheten er også en viktig forskningsarena der vi kan samle vitenskapelige data fra den øvre del av atmosfæren og fra rommet rundt jorden. Denne næringen er viktig for å skape lønnsomme bedrifter, vekst og sysselsetting og er med på å dekke viktige samfunns- og brukerbehov. I tillegg tilfredsstiller den sciencefictionbehovet til et stort antall stortingsrepresentanter, i alle fall mitt. Norge deltar i europeisk romsamarbeid gjennom European Space Agency, ESA, og andre jordobservasjonsprogrammer. Deltakelsen sikrer god norsk markedstilgang, adgang til teknologi og tidlig innsikt i Disse adgangene er viktige, og det er gledelig at en rekke norske bedrifter har hevdet seg godt internasjonalt innen nisjer av romrelatert teknologi, og etablert gode markedsandeler i det internasjonale markedet. Oppnåelse av målene for norsk romvirksomhet krever effektiv utnyttelse av det internasjonale samarbeidet Norge deltar i, og vår evne til å skaffe egne infrastrukturløsninger som av ulike grunner ikke kan skaffes i samarbeid på tvers av landegrensene.

Norsk romindustri, norsk romforskning og europeisk samarbeid på dette området fortjener forutsigbarhet og framtidsoptimisme, for romindustrien er noe av det vi skal leve av, sammen med oljen, i

det viser at den langsiktige og målrettede satsingen på høyteknologisk spisskompetanse har vært en god investering for Norge. Romnæringen er en stor og voksende internasjonal næring, og det norske medlemskapet i ESA har vært avgjørende for norsk næringslivs mulighet til å delta her, spesielt satsingen i de frivillige programmene. Vi vet at disse og at Norges deltagelse der har gitt en samfunnsøkonomisk avkastning på over 40 pst. Det forteller Menon-rapporten som Nærings- og fiskeridepartementet har fått utarbeidet. Det er også bred enighet på Stortinget om at vi som land skal satse på romvirksomhet for å sikre viktige nasjonale behov, for å videreutvikle en sterk eksportnæring og for å skape arbeidsplasser. behandlingen av budsjettet for inneværende år – budsjettinnstillingen for 2016 – vedtok vi enstemmig å be regjeringen starte nettopp arbeidet med en strategi som skal ha bred forankring næringen. Derfor vil jeg si at det også er veldig gledelig med den jobben som har skjedd etter at komiteen avga sin innstilling på torsdag og fram til debatten i salen i dag – for det første at vi kunne gå i salen i dag og få de viktige vedtakene før ministermøtet på torsdag og fredag, men også at vi kan ha en enstemmighet for denne viktige næringen og for hele landet, for dette er en teknologi som er mange steder, og som er viktig i distriktene våre, men som også er viktig i våre høyteknologiske bedrifter, hvor vi har viktige klynger.

Bakgrunnen for denne saka viste at regjeringa ønskte å gjera eit kraftig kutt i Noregs bidrag til ESA. Det grunngav næringsministeren i Stortinget med at kjem av at ein trong pengar til tiltakspakke for Vestlandet. Eg finn det litt underleg at ein trong pengar for å finansiera ein tiltakspakke, som jo ikkje gjekk opp i budsjettet, og at ein finansierte det med pengar som skulle vera gjeldande for 2018 og vidare. Så er det òg sånn at det er ei rekkje bedrifter på Sør- og Vestlandet som no driv på med det som vert kalla for «omstilling». Mange av dei er høgteknologiske bedrifter som ser moglegheiter innanfor romfart. Statssekretæren i Næringsdepartementet uttalte på vegner av statsråden at nivået under førre regjering var for høgt. Der låg regjeringas vilje. Så har det om prosessen i innlegga tidlegare i dag vore brukt omgrep som at prosessen har vore uryddig og uvanleg, eller at prosessen har vore rotete. For å koma med ei mild anbefaling vil eg tilrå representantane frå fleirtalspartia å vera litt varsame med den ord i den politiske situasjonen som landet no er i. For me har ei mindretalsregjering i Noreg, og eg må seia at eg vert provosert når næringskomiteen hadde avgjeve ei fleirtalsinnstilling som angav ei klar retning om kva ein ønskte skulle vera Noregs stemmegiving, og statssekretæren er ute og seier at nei, me ventar, og viste til budsjettprosessen, ein budsjettprosess som denne statssekretæren på vegner av statsråden var fullt klar over ikkje ville vera avslutta før ministerrådsmøtet var ferdig. Difor er det så viktig at me får gjort eit vedtak i dag, og når dette vedtaket vert gjort i dag, er det ikkje tvil om kva som skal vera Noregs rolle, og kva som skal vera Noregs posisjon på ministerrådsmøtet. Når det gjeld sjølve romstrategien, som jo denne saka har sitt utspring i, meiner eg at vårt utgangspunkt skal vera at dette er ein bransje som me som land ønskjer å satsa på, som me har gode føresetnader for å lykkast med. Det at me i dag har ei samla innstilling for å meiner eg er eit strålande utgangspunkt som det er all grunn til å vera fornøgd med. Jeg velger å ta utgangspunkt i at romindustrien er

romindustrien. Forutsigbarhet er viktig på dette området, som i næringslivet for øvrig. Derfor er det vanskelig å forstå det kuttet regjeringen har lagt opp til. Enda mer uforståelig har dette vært når regjeringen sier at romvirksomhet er et tema som har stor og økende betydning for Norge. Da må det stimuleres, Venstre og jeg har spurt ikke mindre enn to statsråder om denne saken tidligere i høst, uten at vi ble spesielt beroliget noen av gangene. Derfor er jeg glad for at det ser ut som om vi kan få et enstemmig vedtak i dag, slik representanten Odd Omland presenterte det. Jeg legger vekt på at romforskningen er en innovativ og som også bidrar til at Norge kan løse viktige nasjonale oppgaver knyttet til suverenitetsutøvelse, havovervåkning og kommunikasjon i nordområdene. Jeg antar også at denne internasjonale forskningen har gitt Norge tilgang på mye kompetanse utenfor Norges grenser. Dette er ressurskrevende forskning, og jo flere land som bidrar, jo større er muligheten for å lykkes med gode prosjekt. Jeg viser til flertallsmerknaden som understreker at tiden er moden for å utarbeide en ny norsk romstrategi, en strategi som må sikre at offentlige myndigheter, industri og akademia trekker sammen for å løfte kunnskap, teknologiutvikling og økonomisk vekst for romvirksomheten i Norge. Bransjen opererer i et marked som er sterkt politisk styrt og avhengig av offentlig politikk, og det er derfor ekstra viktig at offentlige og private aktører arbeider mot samme mål, i og utenfor Norge. Det er dette regjeringen nå må ha oppmerksomhet på.

Ingen bilder synliggjør bedre hva slags verden vi lever i, og hvor verdifull den er, enn fotografier av planeten vår tatt fra rommet. Inntil de første bildene av jorda ble tatt av besetningen på Apollo 8, var bildet vårt av jorda noe abstrakt. Vitenskapen og teknologien ga oss muligheten til å se jorda rent utenfra og fortelle oss noe om hvem vi som mennesker er. Som en av forslagsstillerne må jeg innrømme at jeg er veldig glad for at Stortinget i dag vedtar forslag om en norsk satsing på romfart, og jeg har lyst til å takke næringskomiteen for veldig konstruktivt og godt arbeid. Dette er en gledens dag. Det er det ikke minst for den norske romfartsindustrien. Den er stor, men den er altfor lite synlig. Vi har noen av verdens fremste satellittmiljøer i Tromsø. Vi har forskning i Trondheim. Vi har en ambisiøs industriklynge i Stavanger. Vi har Andøya, ikke minst. Vi har Svalbard med sine muligheter. Vi har romindustrien på Kongsberg og mye mer. Denne industrien har et voldsomt potensial, men den krever en veldig aktiv næringspolitikk. Den krever politikere med vilje til strategisk overblikk og vilje til å ta risiko for å kunne leve opp til sitt potensial. Romforskning gir oss uvurderlig kunnskap om miljøet. Oppdagelsen av problemene knyttet til ozonlaget skyldes mye romforskere som jobbet med kartlegging av atmosfæren på Venus. Det er ikke tilfeldig at en av verdens fremste klimaforskere, James Hansen, kom fra NASA. Copernicus, som vi har diskutert i Stortinget før, gir utrolige muligheter for miljøovervåkning av nordområdene, og Brasils kanskje viktigste verktøy for å overvåke avskoging av Amazonas er geostasjonære satellitter. Få former for forskning gir oss like mye viktig informasjon, som kan ligge til grunn for handlingene våre på jorda. Oljeindustrien gir jobb til titusenvis av mennesker i Norge og enda flere i industriene som leverer teknologi til olje og gass. Spørsmålet «Hva skal vi leve av etter oljen?» har blitt en klisjé, men det må stilles på en så konstruktiv måte som mulig. Romteknologi er en del av svaret, men en veldig viktig del av det svaret. Bedrifter som SAPTEC i Stavanger viser hvor mye vi kan hente fra vårt teknologiske oljeeventyr til nye arbeidsplasser og ny kunnskap – og nye eventyr. Dette er i Norges interesse. Satellitter, f.eks., vil gjøre oss tryggere ved å gi værdata som hjelper skipstrafikken, hindrer oljeutslipp, på sikt bidrar til en mer bærekraftig oppdrettsnæring, med merder lenger fra kysten, overvåking av luftforurensning osv. Dessuten ligger det et stort ansvar i å forvalte så store havområder som Norge gjør. All teknologi som kan bidra til dette, er av det gode, også sikkerhetspolitisk. Men først og fremst er romfarten sivil, den er fredelig, og den er en kraft for fred. I slutten av november i forfjor, i 2014, akkurat idet russerne begikk grove folkerettsbrudd mot Ukraina,

Det er én siste grunn til å satse på romfart som kanskje ikke nevnes så ofte, men som er den aller viktigste – som John Kennedy sa, og han har det blitt referert til tidligere i debatten – fordi vi kan. Få samfunn har noen gang vært så rike som Norge er i vår tid. Vi har teknologi, vi har industri, og vi har råd til å satse. Fra romfarten har vi fått et vell av framskritt innen tekstiler, digitale løsninger og bedre helseteknologi, som har kommet hele menneskeheten til gode. Men det krever samfunn som er villig til å utforske og prøve. Vi har den muligheten som land, og med den muligheten følger en plikt. Vi kan aldri mestre verdensrommet, men vi plikter å forstå det – plikter å søke å forstå så mye som mulig

Satelitteknologi er en viktig tilrettelegger for sentrale norske næringer som fiskeri, offshore og transport. I tillegg har vi en internasjonal, konkurransedyktig romindustri, som bidrar med inntekter og høyteknologiske arbeidsplasser i store deler av landet. Meld. St. 32

Som påpekt i representantforslaget er global romvirksomhet i sterk utvikling. Stadig flere land har aktiviteter i verdensrommet, og private aktører er i ferd med å rykke inn. Nedstrøms utnyttelse av rominfrastruktur har vokst fram som et nytt og spennende forretningsområde i kraftig vekst. Samfunnets økende avhengighet av rombaserte tjenester har gjort satellitter til kritisk viktig infrastruktur med stor sikkerhetsmessig betydning. Regjeringen varslet Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2017 om at vi er i gang med å utarbeide en romstrategi. Dette arbeidet pågår, og jeg tar sikte på å legge fram en strategi et stykke ut i 2017. Jeg presiserer at det er en strategi – ikke en ny stortingsmelding – vi har varslet å legge fram. Når det er sagt, er jeg selvsagt veldig glad for Stortingets engasjement i saken. Strategien vil legge føringer for norsk romvirksomhet framover i tid. Det er viktig at disse føringene har solid faglig grunnlag, og ikke minst at de er bredt forankret hos sentrale brukergrupper. Vi skal derfor gjennomføre innspillsmøter med viktige aktører og kunnskapsmiljøer rundt om i landet, og vi får også gjennomført en ekstern samfunnsøkonomisk analyse av den offentlige satsingen på norsk romvirksomhet. I tillegg til å ta stilling til representantforslaget tar næringskomiteen til orde for å øke nivået på Norges nye forpliktelser i forbindelse med ESAs frivillige programmer, utover det som foreslås i regjeringens budsjettforslag for 2017. Siden regjeringen fremmet budsjettforslaget, har den europeiske romorganisasjonen ESA arbeidet videre med sitt budsjett. En rekke av ESAs programmer, som var planlagt startet opp i 2017, er forsinket. Som følge av det endres også de forventede innbetalingene fra Norges side. Og for å være tydelig på det, fordi det har vært framme i debatten tidligere: Hvis vi, da vi la fram budsjettet, skulle lagt oss på det nivået som da var, ville det krevd 80 mill. kr i tillegg til de 49,5 mill. euro som regjeringen faktisk foreslo. I ESA er det slik at landene inngår flerårige programforpliktelser, som ESA så kaller opp i takt med framdriften i programmene. Vi har likevel god oversikt over hvilke årlige innbetalinger vi kan regne med ved ulike nivåer for nye forpliktelser. Vi vet at hvis vi inngår forpliktelser for 150 mill. euro ved ministerrådsmøtet den 1. desember, vil det gjøre at innbetalingene i 2018 og 2019 vil ligge på omtrent samme nivå som det som er lagt til grunn i regjeringens forslag til budsjett for 2017, dvs. ca. 380 mill. kr per år. Slik ESAs budsjettforslag ser ut nå, kan Norge gå inn med en høyere forpliktelse i ESA enn det vi la til grunn i regjeringens budsjettforslag, uten at dette har budsjettvirkning for 2017. Jeg oppfatter at det er det som er komiteens forslag, og dette vil selvsagt bli fulgt opp på ministermøtet den 1. desember fra regjeringens side. Det blir replikkordskifte. I dag er

Jeg synes at statsråden ikke var tydelig nok i sin uttalelse allerede nå, så jeg vil spørre enkelt og greit: Hva vil regjeringa si på ESAs ministerrådsmøte i Lausanne? Er det nå avklart at de kuttene som har vært i budsjettet, snus til den satsingen som Stortinget ønsker?

I det som er innstillingen fra Stortinget, ligger det også tydelige føringer på både omfang og innhold på det en forventer av politikk på dette området. Den næringsnøytraliteten som denne regjeringa har lagt opp til, legges til side for en tydelig satsing på en norsk nasjonal romstrategi. Statsråden refererte til at en kan forvente seg at det kommer en ny strategi i vår. Det jeg gjerne vil ha klarhet i, er hvordan statsråden tar med seg de konkrete føringene som ligger i forslaget som Stortinget nå i Nå er det slik at strategier er det regjeringen som lager. Vi har laget en maritim strategi, vi jobber med en havstrategi, vi lager en stortingsmelding om reiseliv, vi jobber med en industrimelding, vi har veldig mange ting i arbeid, og vi jobber altså også med en romstrategi. Hvor representantene begrepet nøytralitet fra, forundrer meg stadig, men det er en sånn politisk retorikk som man tror man vinner fram med. Vi har veldig mange ting i arbeid innenfor ulike næringer, basert på den situasjonen vi er i, og romstrategien kommer altså i 2017, som varslet av regjeringen i statsbudsjettet.

Eg er veldig fornøgd med det enstemmige vedtaket som det ligg an til at Stortinget gjer no, og mitt spørsmål til romfartsminister Mæland er om statsråden er like fornøgd med det vedtaket som Stortinget i dag gjer. For det første har et betydelig kronebeløp som måtte finansieres dersom vi skulle opprettholde vår forpliktelse. Jeg har vært veldig tydelig på at jeg skulle ønske at vi kunne det, men det ville krevd at vi kuttet de 80 mill. kr fra andre forskningsprogrammer i budsjettet eller fant andre måter å dekke dekke dette på. Så verden har endret seg. Komiteens innstilling får ikke konsekvenser for 2017-budsjettet. Når det er sagt, er jeg glad for at vi får til denne satsingen, og jeg har vært veldig tydelig på at den er viktig, men når det gjelder å lage et budsjett, må man ta tøffe avgjørelser, og det har vi gjort. Det er statsråden eg berre tenkte å få full klarleik i: Statsråden seier at det har vore ein treig oppstart av prosjekta i dei frivillige programma i ESA, og dermed vil det ikkje vere nokon oppstart – så vidt ein kan sjå – i 2017. Kan statsråden garantere at det ikkje vil vere nokon aktivitet i dei frivillige programma i 2017?

til medlemmene, er at det er forsinkelse i utviklingen. Det skjer i mange av programmene, det er ikke noe unaturlig. Men det er kunnskap vi har fått nå, som gjør at vi ikke trenger å legge på bordet friske penger i 2017, utover det regjeringen har foreslått i budsjettet.

frå norsk romindustri som eit resultat av desse kutta. Det er 500 av totalt 1 200 høgteknologiske arbeidsplassar – ei ganske utruleg nedsabling. Kva slags vurderingar har gjort at statsråden har kome fram til at det er gunstig for Noreg med ei så stor nedjustering av norsk

satsing som ville gitt retur til industrien. Stortinget har i sin innstilling nå varslet en høyere ambisjon. Det er jeg glad for, men det å lage budsjetter innebærer knallharde prioriteringer. Det betyr ikke at noe ikke er viktig og riktig, men det betyr rett og slett at man må prioritere, og det som den gang krevde friske penger, gjør det ikke nå.

På landsbasis ville halvparten av dagens 1 200 årsverk innen denne høyteknologiske industrien forsvinne, uttalte romeksperten på Toten til Oppland Arbeiderblad. Uka før hadde Nammos romavdeling besøk av stortingspresident Olemic Thommessen. Da ble han presentert for kompetansen som befinner seg der, og for de katastrofale følger regjeringens statsbudsjettforslag på dette området ville få når de til nye prosjekter. Stortingspresidenten lovet å ta saken opp med næringsministeren, uten at noe skjer, men flertallet i næringskomiteen og her i Stortinget rydder opp. Heldigvis var vi fem representanter fra Arbeiderpartiet og SV som i vår hadde lagt inn et representantforslag, som vi nå behandler, om en ny norsk romstrategi. Det ga anledning til å gi næringsministeren krystallklar instruks fra dette hus, før hun straks skal representere Norge i ESAs møte. I tillegg har vi fått tilslutning til forslagene og tiltakene vi skisserer i representantforslaget. Redningen kom altså i grevens tid, i en tid med budsjettforhandlinger på borgerlig side som tydeligvis aldri kommer i havn.

motivere statsråden til romsatsing. Jeg har brukt Raufoss som eksempel. Der kan 35 truede årsverk bli til 75 trygge og spennende inntektsbringende arbeidsplasser i løpet av et par år. Det er mange aktører i Norge, og potensialet er stort for teknologisk framgang og nye arbeidsplasser, vel og merke med det vedtaket som fattes i dag, og som jeg vil understreke at sjølsagt er gledelig at endelig ender enstemmig. Vedtaket er offensivt og framsynt, med fire strategiske hovedområder: klima og miljø, teknologioverføring, samfunnssikkerhet og forskning og utdanning. Til alle som har bidratt til maksimal uttelling for forslaget vårt, vil jeg rette en stor takk. takk. Dette var egentlig mer enn vi turte å håpe på, men først og fremst er det svært viktig for norsk romindustri. Det har vore litt av ein berg- og dalbane for norsk romindustri dei siste to åra. Det har vore litt «space» å jobbe med space. Etter mange år med solid vekst i romindustrien, der Noreg som nasjon stadig yppar i vektklassar langt over kva vekta vår skulle tilseie, kom plutseleg sjokkmeldinga i fjor: Regjeringa føreslo å trekkje Noreg ut av Copernicus-prosjektet. Å trekkje seg ut av dette viktige romovervakingsprogrammet, som til og med er eit EU-program, ville fått negative konsekvensar for norsk ressurs- og miljøovervaking, næringsliv, forsking, Noreg er blitt verdsleiande på arktisk romovervaking, og ifølgje ein skare av kritikarar frå NHO til LO ville dette ha trekt teppet vekk under heile denne satsinga. Heldigvis redda Venstre og Kristeleg Folkeparti regjeringa frå nok ei uklok avgjerd. Dei har på mange måtar vore klokskapen sin ventil for regjeringa i tronge tider. Så, i oktober i år, kom eit nytt sjokk. Denne gongen gjaldt det ein heilt annan heilag gral i det norske romeventyret: Dei frivillige programma i ESA skulle kuttast med over 70 pst. Nok ein gong måtte opposisjonen gjere seg godt kjend med romindustrien sine ulike prosjekt i dei frivillige programma. Vi har rett og slett fått eit høgare kunnskapsnivå om romindustrien i desse to åra. Aldri før har det vel vore snakka så mykje om romindustri og space i Stortinget som no – det er aldri så gale at det ikkje er godt for noko. til desse programma vi skreddarsyr den norske romsatsinga på dei felta der Noreg har best føresetnader for å lykkast. Det betyr at jo meir vi legg inn i ESAs frivillige program, desto høgare avkastning sit Noreg igjen med. Som representanten Hjemdal var inne på, konkluderte Menon med at nesten all innsatsen er svært positiv, med ei årleg, gjennomsnittleg avkastning på nær Det er ikkje på så mange område Noreg kan investere og få så høg avkastning, ikkje eingong det berømte oljefondet klarer på sine beste dagar å nærme seg dette. Omsetninga i norsk romindustri er på meir enn 7 mrd. kr, og kvar offentleg krone investert i ESA gir godt over 5 kr i omsetning. Det siste er bekrefta i OECD-rapportar og i ei evaluering gjord av PWC i 2012. Vidare ville kutta også hatt direkte negative konsekvensar for Copernicus-prosjektet, og da er på ein måte sirkelen slutta frå året før for noko som etter kvart alle var einige om var ein stor tabbe, og som ikkje minst ville kunne føre til 300 færre høgteknologiske arbeidsplassar i industrien, ifølgje anslag frå Norsk Romsenter. Men i dag står vi her, rikare på kunnskap og med eit godt forslag, som ikkje berre er ei redningspakke, men som også er ei satsing på ein strategi som ikkje skal nedjusterast, men løftast. Og for meg som nordlending er dette ein stor dag. Hovudtyngdepunktet i den himmelske aksen ligg frå Stavanger, Trondheim, Kongsberg, Narvik, Andøya, Tromsø og Svalbard.

nemleg at det må ein prosess i regjeringa og ein del arbeid til før me kan konkludera med at det skal gjerast organisasjonsendringar i norsk romindustri og Norsk Romsenter, er det naturleg for oss å vera med og stemma for det fleirtalsvedtaket som me frå Høgre og Framstegspartiet har vore med på å laga. Då lurer eg på om det er naturleg for meg som saksordførar å trekkja tilrådinga frå komiteen, slik at me berre har

Romfart er en veldig viktig del av det. Det er ikke lenger sånn at avstanden til rommet er veldig stor. Rommet er en del av den kloden vi holder til på, og de mulighetene teknologien har gitt oss, gjør at livene på jorden blir bedre, og vi får muligheter til å løse en del av de store utfordringene vi står overfor. Men det er også sånn at romfartsindustrien en viktig distriktsindustri. Vi har noen naturgitte fortrinn i Norge for å være god på romfart og romvirksomhet. Vi er et av de landene som har godt utbygd infrastruktur nært opp mot polpunktet. Det er en fordel. Det gjør at vi f.eks. kan bygge en romobservasjonsantenne i Ny-Ålesund, der vi investerer mange hundre millioner kroner nå, som er et viktig bidrag til det internasjonale samfunnet. Andøya spiller en viktig rolle i norsk romvirksomhet, med oppskytingsfeltet og andre virksomheter knyttet til dette. SvalSat i Longyearbyen gir oss mange muligheter som ikke finnes andre steder. Vi har utviklet stor næringsvirksomhet i Tromsø knyttet til Kongsberg Satellite Services, og ikke minst har vi viktige studieplasser i Narvik. Romindustrien er en framtidsbransje som krever høy kompetanse, men også gir veldig høy verdiskapning, som flere tidligere talere har vært inne på. Derfor er det viktig å legge til rette for den. Likevel stusser jeg over den holdningen statsråden legger for dagen når vi diskuterer dette. Når statsråden framstiller det Når statsråden framstiller det som om dette var noe regjeringen egentlig ville, er ikke det i samsvar med den virkelighetsoppfatningen jeg har hatt. Jeg tror jeg, i likhet med representanten Hjemdal, skal takke regjeringspartiene for den konstruktive innsatsen de har gjort i Stortinget etter at innstillingen var lagt fram. Det har brakt oss fram til en viktig samstemmighet om hvor romindustrien skal gå, og jeg tror kanskje at innerst inne er også representantene for Høyre og Fremskrittspartiet takknemlige for den innsatsen som Venstre og Kristelig Folkeparti la for dagen for å få til et flertall. Jeg slutter meg til dem som har gratulert med dagen. Det er det virkelig grunn til å Som en av forslagsstillerne vil jeg også takke et enstemmig storting i denne saken. Det føltes litt som galskap da vi fremmet dette forslaget før sommeren. Jeg gjorde det fordi jeg har tro på denne næringen. Jeg har tro på at dette kan være med på å skape nye arbeidsplasser, og at det kan være en del av den omstillingen vi trenger så Samtidig synes jeg det er spesielt å sitte i salen i dag og høre representantene fra Høyre og Fremskrittspartiet som kritiserer prosessen, som kritiserer forslaget, men også vil være med på vinnerlaget. Det er også spesielt å høre en statsråd som i dag later som om denne saken ikke har hatt noen betydning. Jeg vil minne om at det senest i februar, et innlegg under Space Dinner, var en lite ambisiøs statssekretær som representerte regjeringen, og skulle snakke om en romstrategi uten innhold, uten ambisjoner. Nå er lyden heldigvis en helt annen. Når det gjelder ESA-midlene, lurer jeg på hva som hadde skjedd, om denne saken ikke hadde kommet til Stortinget, om det ikke var i dag vi fikk denne voteringen. voteringen. Senest sist uke uttalte regjeringa at Stortingets behandling ikke skulle få noen effekt. Heldigvis fikk en endret avstemmingen. Heldigvis har regjeringas kurs blitt endret, og Stortinget redder i dag det som kunne blitt et mageplask for regjeringa, og som kunne fått alvorlige konsekvenser for romindustrien.

Syversen skulle egentlig ha stemt for. Da blir det 59 stemmer mot og 47 stemmer for forslaget. Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt Det voteres først over II. Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre har varslet at de vil stemme imot. Presidenten gjør oppmerksom på at her er det viktig å holde styr på rødt og grønt, for dette er en

langvarig sykdomsutbrudd og svekket helse for ungdom som blir rammet av sykdommen.» Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget. Under debatten er det satt fram ett forslag. Det er forslag nr. 1, fra Odd Omland på vegne av næringskomiteen. Presidenten gjør oppmerksom på at forslaget er levert inn etter den reglementsmessige tiden etter forretningsordenens § 40.

Presidenten samtykker i at representanten får ordet, og gir dermed ordet til Jonas Gahr Støre, som har en taletid på inntil 5 minutter. Vi skulle nå, i henhold til de frister som normalt gjelder i Stortinget for budsjettbehandling, vært i gang med å behandle en budsjettavtale. Men vi har ingen budsjettavtale å behandle. Vi skulle nå, med mindre enn en uke igjen, forberedt debatten om en budsjettenighet. Men vi har ingen budsjettenighet å debattere. Jeg tok for to uker siden ordet i denne sal for å understreke den vanskelige situasjonen regjeringen nå har stilt Stortinget i. Jeg tok til etterretning at presidentskapet, klok av lærdom fra fjoråret, forskjøv fristene Men jeg understreket da at ytterligere utsettelser ville stille Stortingets øvrige partier i en uakseptabel situasjon. Siden det har det blitt satt nye frister av regjeringen, og de har blitt brutt, én etter én. I ettermiddag har vi blitt kjent med at Venstre har brutt budsjettforhandlingene med regjeringen. Det skaper ytterligere usikkerhet om hvorvidt samarbeidspartiene er i stand til å skaffe landet et budsjett.

Blir f.eks. kuttet i støtten til ressurskrevende brukere stående? Blir kuttet for lærere på ungdomsskolen opprettholdt, osv.? Og næringslivet vet ikke hvilket skatteregime de skal forholde seg til neste år. Den fristen som presidentskapet meddelte Stortinget, og som skulle legge rammene for behandlingen her i Stortinget, er brutt. Regjeringen ser ut til å ha mistet kontrollen med denne budsjettbehandlingen. budsjettbehandlingen. Slik styrer man ikke et land. Derfor vil jeg igjen stille presidenten spørsmålet: Når vil Stortinget – opposisjonspartiene – få klarhet i hva som blir grunnlaget for en finansdebatt som er mindre enn en uke unna? Utgangspunktet for finansdebatten er selvsagt finanskomiteens innstilling. Hvilke forhandlinger som føres mellom partiene i Stortinget, er

Når det er sagt, er det klart at fremdriften for slike forhandlinger er viktig også for de beslutninger som vi må ta når det gjelder fremdriften for saksbehandlingen i Stortinget. Det å ha et avklart flertall gjør selvsagt prosessen enklere og mer forutsigbar. Jeg regner det som en selvfølgelig del av den politiske kultur som gjelder og må gjelde i denne sal, at de resultater forhandlinger måtte lede frem til, også meddeles til opposisjonen, slik at man – innenfor det forhandlingene har gitt rom for, selvsagt – har en mulighet til å forberede seg frem til debatten. Hvorvidt et slikt forhandlingsresultat foreligger eller ikke, ikke, er altså ikke noe presidentskapet kan øve innflytelse på. Det er et anliggende for partiene. Når presidentskapet utarbeider planer og gir Stortinget anbefalinger om hvilke frister som skal gjelde, gjør vi det selvsagt mot et bakteppe, som handler om hva som er Stortingets viktigste oppgave, nemlig å kunne treffe de vedtak som er nødvendig for å styre og drive landet etter 31. desember. Alle de beslutninger vi har anbefalt, gjør slike vedtak mulig under enhver eventualitet, uansett hva utfallet etter finansdebatten Slik vi ser det, vil Stortinget ha tid og kapasitet til å gjøre det arbeidet Stortinget skal gjøre. Jeg har i dag hatt et møte med lederne for de forskjellige komiteene der vi har gjennomgått planene for avgivelser og datoer for budsjettbehandlingen, i forlengelse av finansdebatten. Vi har forskjøvet fristene for avgivelse ut ifra nettopp hensynet til at komiteene skal kunne ha en forsvarlig behandling. Jeg har også – i samme møte – innhentet komitéledernes synspunkter på hva som skal til for at slik behandling skal kunne gjøres på en god måte. Vi har hatt som utgangspunkt mulig grad skulle endre de frister og debattdatoer som er satt opp i den foreløpige kjøreplanen, og jeg tror vi innenfor de foreliggende forutsetninger skal mestre det i rimelig grad. Vi har både politisk og også administrativt tatt høyde for å gjøre en budsjettbehandling innenfor den gitte tid og innenfor de datoer som er fastsatt for sesjonen. Slik jeg ser det nå, er grunnlaget for at vi skal kunne gjennomføre budsjettarbeidet og treffe de nødvendige vedtak, vedtak, til stede, uten at vi skal behøve å utvide sesjonen. Presidenten vil nå åpne for at de andre partigruppene får ordet én gang hver i inntil 3 minutter, og deretter vil spørrer og stortingspresidenten få ordet én gang til i inntil 3 minutter.

vi vil gjøre vårt ytterste for å sørge for at Stortinget naturligvis får tid til å områ seg før budsjettdebatten kommende mandag. Men det er krevende, det sier seg selv. Nå har Venstre brutt forhandlingene. Kristelig Folkeparti har ennå ikke gitt tilbakemelding, de har viktige møter i morgen der de skal

desember da budsjettet ble vedtatt. Det var riktignok siste året med det gamle budsjettsystemet, og det var kanskje en grunn til at en gjorde noe med det, der alt var i spill helt til det siste. Det har også vært mange andre situasjoner der en mindretallsregjering har måttet jobbe lenge for å få på plass et budsjett. Vi fortsetter arbeidet. Vi håper at vi skal få en enighet. Vi håper at vi skal få en avklaring, sånn at Stortinget får den nødvendige tid til å diskutere budsjettet på en ordentlig måte, men det blir budsjettdebatt 5. desember.

Som også representanten Helleland var inne på, har det vært vanskelige forhandlinger, og det er vanskelige forhandlinger. Man har kun én ting for øye, og det er nettopp å komme fram til en enighet, en enighet så raskt som mulig, slik at vi får et så godt budsjett som det er mulig å få på plass. Jeg skal ikke gå inn i den politiske biten av det, det får undertegnede og salen anledning til å diskutere når vi kommer til den 5. desember. Da er budsjettdebatten, desember. Da er budsjettdebatten, og da skal rammene fordeles. Vi skal komme tilbake til det da. Men som representanten Helleland var inne på, ønsker vi selvsagt å bidra til at komiteene får de fristene og den muligheten som skal til for å gjøre sitt arbeid på en skikkelig og god måte. Det har stortingspresidenten i sitt svar nå til representanten Gahr Støre også i det møtet som har vært med komitélederne, slik at man skal sikre at komiteene får den tiden som de har behov for, for å få fram sine innstillinger til Stortinget. Men som sagt, det er vanskelige forhandlinger, og vi gjør vårt ytterste hele tiden for å prøve å komme fram til en løsning. Jeg er glad for at både representanten

regjeringspartiene å sørge for at det budsjettet som regjeringen har lagt fram, også med justeringer, skal bære igjennom i denne sal. Jeg er glad for det møtet med komitélederne som stortingspresidenten tok initiativ til i dag, hvor vi, ut ifra det initiativet, i fellesskap sørget for å legge opp en plan som sikrer en forsvarlig behandling av alle fagkomiteenes innstilling, når vi nå får et vedtak av en eller annen karakter den 5. desember. Så vidt jeg oppfattet fra det møtet, ble det som stortingspresidenten la opp til, godt mottatt av samtlige komiteer. De som hadde ønsker om justeringer, fikk det imøtekommet, og det tyder på at det er stor vilje til å sørge for at vi får en forsvarlig behandling av alle fagbudsjettene også, når den tid kommer. Å behandle statsbudsjettet er

Det synes ikke som om mindretallsregjeringen, fra Høyre og Fremskrittspartiet, har hatt noen klar strategi om hvordan de skal skaffe flertall for sitt budsjett i Stortinget. De fire partiene som har flertall i Stortinget og har forpliktet seg til samarbeid, må bære ansvaret for at vi i dag står i en nokså kaotisk situasjon. Det kaoset som har oppstått, er et problem både for regjeringspartiene og for samarbeidspartiene, men også for opposisjonen. På uforsvarlig kort tid skal vi gjøre ferdig alternativ. Men framfor alt er den situasjonen som har oppstått, også et problem for alle som vil bli berørt av neste års beslutninger omkring statsbudsjettet. Siden statsbudsjettet ble framlagt 6. oktober, synes det ikke å ha vært særlig framdrift. Fristene vi har hatt for behandling i Stortinget, er også når det gjelder finansdebatt og finansinnstilling. Derfor må vi fra Senterpartiets side få uttrykke vår bekymring over den situasjonen som er oppstått. Det er skapt en tidsnød som også er kritisk for mange som er avhengig av statsbudsjettet i det kommende året. Så jeg har lyst til å spørre presidenten om han kan forsikre oss om – vi er bare en måned derifra – at også fristene etter Grunnloven § 75 blir overholdt. Hvis ikke kommer det norske storting til å være i en meget alvorlig situasjon. Har presidenten oversett noen av partigruppene som har ønsket å ta ordet? – Det har hun. Det er

Vi kan få en situasjon der budsjettbehandlingen i de enkelte komiteene blir veldig, veldig krevende. Det er en krevende situasjon for Stortinget, men det er jo ikke små ting for samfunnet rundt oss vi snakker om her. Det handler om grunnlaget for driften av velferdstjenester i alle landets kommuner. Det handler om hva slags rammebetingelser det skal være for næringslivet vårt. Det handler om hva slags skatteopplegg hver enkelt innbygger skal forholde seg til. Det handler om måten vårt land svarer på økende klimagassutslipp på, osv. Det er – tenker jeg, på en dag som denne, da vi står i denne situasjonen – på sin plass å minne om at de to regjeringspartiene gikk til valg på et slagord om «gjennomføringskraft». I lys av det er denne situasjonen en ganske spektakulær fiasko. Det er avgjørende at vi får en rask avklaring. Jeg forstår godt at også presidenten er i en krevende situasjon – nå er det jo ikke presidenten som har ansvaret for at det er dårlig framdrift i forhandlingene, men jeg håper jo at også presidenten kan si seg enig i at tiden for utsettelse av frister nå er ute, at vi nå er nødt til å få et klart svar på om det finnes et budsjettflertall i denne salen eller ikke. Det signalet synes jeg det er viktig at presidenten gir. Flere har ikke bedt om ordet. Presidenten gir da ordet til spørsmålsstilleren – som får ordet én gang til i inntil 3 minutter – og deretter til stortingspresidenten. får ordet én gang til i inntil 3 minutter – og deretter til stortingspresidenten. Jeg vil takke presidenten for å ha tatt initiativ til møte med komitélederne i dag. Jeg vil også si at jeg forstår at dette ikke er et politisk anliggende som presidenten kan gripe inn i. Men presidenten har telefon, og har anledning til å si fra og formidle til regjeringen det som nå er stemningen i Stortinget, slik at det alvoret siger inn. Det er nå Det er nå to måneder siden dette ultimatumet ble formulert, og jeg er enig i det som ble sagt her: at vi har hatt budsjettforhandlinger siden 6. oktober uten resultater. Dem har jo ikke vi fulgt, men vi har fulgt dramatikken rundt dem. Frister er satt, frister er brutt, og nå ser vi altså et samarbeid rundt budsjettet som er i oppløsning. Så hører jeg fra representantene Nesvik og Helleland at de vil gjøre sitt ytterste for at Stortinget får tid til å områ seg før mandag. Jeg takker for det. Det er nyttig at vi får anledning til det. Jeg tolket den telefonen vi fikk på lørdag, slik at vi skulle få tid til å forholde oss til at det enten var et resultat, eller at det var en nyhet om at det ikke ble et resultat. Det betød i klartekst at vi ikke kan gå inn i denne helgen uten å vite det. Det er en dårlig måte å områ seg på, om det er det man legger i det.

fra mandag og utover. Men jeg vil, fordi presidenten har ansvaret for arbeidet her i salen, anmode om at han våkent følger denne situasjonen, slik at vi får tid til å områ oss og være i stand til å gjøre det arbeidet som påligger oss, fra mandag og utover – hvor det uansett blir betingelser rundt denne budsjettbehandlingen som ikke burde vært dette huset

Det er en selvfølge at denne sal klarer å levere de nødvendige vedtak for at landet skal styres etter 31. desember. Budsjettvedtaket fra i fjor gjelder som kjent bare for inneværende år, sørge for at landet kan styres i henhold til Grunnloven, er en selvfølge. Det mener jeg at vi tar høyde for, og at vi har med oss inn i de arbeidene vi gjør med hensyn til fremdriften i saksbehandlingen. Det er også helt klart at det blir debatt på mandag. Det er ikke snakk om noen utsettelser av noen art, uansett hva man måtte ha klart å forhandle seg frem til – eller ikke. Det er selvfølgelig fordi mandagen skal gi oss den endelige avklaring av hva som er situasjonen rundt budsjettet. Det trenger Stortinget for at vi skal kunne gjøre de nødvendige vedtak for å fylle våre oppgaver etter Grunnloven. Så vil jeg si at vi har en politisk kultur i vårt parlament som jeg er stolt av. Selv i krevende situasjoner opplever jeg en sterk forståelse, fra begge sider i politikken, for hva som også er parlamentet som sådans oppgaver. Vi har ved flere korsveier vist at vi også i krevende situasjoner finner ut av det, og at vi opprettholder den disiplin og den overordnede interesse for landet som skal til for at vi lander. Ikke alle parlamenter i verden er slik, og jeg er stolt av å kunne lede et parlament som bærer en I møtet i dag med komitélederne hadde vi en god diskusjon om hvordan vi skal avslutte arbeidet med budsjettet. Det er ingen tvil om at utsettelser betyr merarbeid og mer stress. Samtidig er det viktig, og vi har gitt det rommet som skal til for at arbeidet kan gjøres på en forsvarlig måte. måte. Jeg er overbevist om at vi også ved denne korsvei vil kunne levere det som Stortinget skal levere. Dermed er denne debatten avsluttet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Så er ikke skjedd. Dermed er møtet hevet.